Eirin Kristin Sund.

å bidra til miljøvennlige transportvalg å begrense klimagassutslippene – ikke minst I forskriften ble det fastlagt at kjøpesentre bare kan etableres eller utvides i samsvar med retningslinjer i godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner. I områder som ikke omfattes av godkjente fylkesplaner eller fylkesdelplaner, vil kjøpesentre større enn 3 000 m2 bruksareal ikke være tillatt før godkjent plan foreligger. Forskriften har en varighet på inntil ti år eller inntil den avløses av regionale planbestemmelser i henhold til plan- og bygningsloven. Den rikspolitiske bestemmelsen for kjøpesentre skal sikre bedre oppfølging av fylkenes retningslinjer. Bestemmelsen fastsetter med juridisk bindende virkning at godkjente fylkesplaner og fylkesdelplaner skal legges til grunn for kommunenes planlegging. Nye byggetillatelser eller rammetillatelser kan ikke gis i strid med den rikspolitiske bestemmelsen. Fylkesmannen har fått myndighet til å håndheve bestemmelsen. Vår tids fremste utfordring er de menneskeskapte klimaendringene. Skal vi løse denne utfordringen, kreves det politiske vedtak på mange plan, på mange områder og på mange sektorer. Areal- og transportplanlegging er et viktig område som inngår i Gjennom aktiv arealplanlegging legger vi føringene for tiår framover for hvordan samfunnet skal være, og derigjennom hvilket transportbehov samfunnet vil ha i framtiden. Hvor man plasserer store kjøpesentre, er helt opplagt veldig sentralt i denne sammenhengen. Det var bl.a. på denne bakgrunn vi ønsket en rikspolitisk bestemmelse for en mer aktiv politikk på dette området. Den rikspolitiske retningslinjen er et virkemiddel for å sikre bedre oppfølging av nasjonale og regionale mål og retningslinjer for lokalisering av større kjøpesentre. Hensikten er å oppnå en mer samordnet lokaliseringspolitikk, på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Dette gir også større forutsigbarhet for nabokommuner og utbyggere i deres planarbeid. – President, jeg tror ikke klokka går, men jeg skal ikke bruke 5 minutter. Bare slik at presidenten vet det! Ved siden av arbeidet for å redusere transportbehovet og dermed også klimautslippene er forskriften et viktig bidrag til en mer bærekraftig og robust by- og tettstedsutvikling. Før iverksettelsen av denne forskriften var en rekke nye kjøpesenter under planlegging utenfor byer og tettsteder, til tross for at dette ikke var i samsvar med regionale planer. Vårt mål var derimot at større

Dette var tall som ikke var forenlige med målet om å redusere bruken av personbiler, noe som er helt nødvendig om vi skal klare å nå våre klimamål – og enda mer nødvendig når det hersker så stor tvil om hva bl.a. Høyre skal gjøre når de i alle fall ikke ønsker å rense gasskraftverk. Vi trenger en bevisst og restriktiv holdning til lokalisering av kjøpesentre for å dempe den framtidige trafikkveksten. Når det gjelder hensynet til stedsutvikling og styrking av eksisterende by- og tettsteder, har det ofte vært sånn at kjøpesentre plassert utenfor byer og tettsteder har vært en utfordring også for sentrumshandelen og har ført til redusert omsetning og tomme butikklokaler. Det gjør det veldig vanskelig å skape attraktive og levende byer og sentrum, noe de fleste av oss nettopp ønsker oss. Det er mange viktige hensyn som skal ivaretas, og som alle viser behovet for de rikspolitiske retningslinjene for etablering av nye kjøpesentre. Arbeiderpartiet og den rød-grønne regjeringen kan ikke se at disse hensynene er blitt svekket de siste to årene, snarere tvert imot. Av den grunn støtter vi ikke det forslaget som behandles her i dag. Presidenten har tillit til representanten Sund. Det er derfor klokken ikke er blitt satt i gang.

overstyrer lokalt entreprenørskap og engasjement. Som eksempel på lokalt engasjement kan nevnes Volda kommune, som ønsker å åpne et anlegg, tidligere brukt til mineralvannproduksjon, i Furene-området. Men problemet er at anlegget er noe større enn det arealet de rikspolitiske retningslinjene legger til grunn. Er det da slik at Furene-området er såkalt handelsfritt område? Nei, der får du kjøpt fjernsyn, vaskemaskin og strykejern. Du kan handle hageprodukter og blomster, kjøpe dekk til bilen din og kjøpe kjøkkeninnredning og elprodukter. Det er trelasthandel og en rekke andre ting. Hva er det da som tilsier at nettopp dette området skal belemres med rikspolitiske retningslinjer? Jo,

Det er derfor behov for å styrke lokalt selvstyre i plan- og arealspørsmål, og forslagsstillerne mener at etablerte byråkratiske hindre for dette, som kjøpesenterforskriften, må avvikles. Til slutt tar jeg opp forslaget fra Fremskrittspartiet og Høyre. Representanten Henning Skumsvoll har tatt opp det forslaget han refererte til.
Serigstad Valen

Det sies klart i merknadene at nasjonal politikk skal legges til grunn for den lokale utviklingen, og at nasjonal politikk skal overstyre den lokale beslutningsretten. Dette forutsetter at man mener at vettet er nokså ujevnt fordelt i dette landet, med en betydelig tyngde av vett i denne salen – og kanskje også i regjeringsapparatet. Jeg er ikke så sikker på at det er slik. Det er helt tydelig at man ønsker å overstyre lokale plasseringsønsker, på – og kanskje også i regjeringsapparatet. Jeg er ikke så sikker på at det er slik. Det er helt tydelig at man ønsker å overstyre lokale plasseringsønsker, på tvers av hva man ønsker i kommuner og fylker. Så står det i merknadene at det er av hensyn til «forutsigbarhet for nabokommuner». Det synes jeg er bra, men hva med egen kommune? Hva med forutsigbarheten for den? Det er vel også ganske viktig. Jeg må si at i Høyre har vi kullsviertro på det lokale engasjementet og på de lokale beslutningsprosessene. Vi tror det sitter fornuftige folk lokalt, og jeg tror ikke det er for ingenting at Stortinget stort sett er fylt opp av tidligere lokalpolitikere. Det er fordi de var egnet til komme hit. Så leser jeg i brevet fra statsråden til komiteen

Og da kan man ikke senere ta kommuner, næringsliv og andre aktører til inntekt for støtten til rikspolitiske retningslinjer, selv om de i sitt daglige virke forholder seg til det de er nødt til å forholde seg til. Jeg tror veldig mange lokalpolitikere rundt omkring i landet vil være enig i disse synspunktene. Så har det også blitt sagt her at det har å gjøre med bilavhengighet, klimagassutslipp at man ikke skal ha kjøpesentre utenfor byene. Men enhver som har bodd litt andre steder enn i denne byen, vet at det faktisk er slik at folk også bor på landet, utenfor byene. Jeg møter mange – i Vestfold er dette spesielt aktuelt – som sier at de er usikre på om det blir mindre biltrafikk ved å gjøre det på denne som tidligere i dag snakket foraktelig om rike mennesker og knitrende pengesedler i strandsonen, nå bekymre seg for redusert omsetning og tomme butikklokaler i byene, så er dette to sider av samme sak – det er alltid noen som tjener, eller taper, på det. Først og fremst bør man være sikker på at det også rent klimamessig er det riktige. Og da tenker jeg ikke generelt, jeg tenker i det store og hele. Så har jeg til slutt lyst til å avlegge statsråden et besøk. Også i denne saken står Høyre og Fremskrittspartiet sammen. Statsråd Solheim sa tidligere i dag at han var bekymret for de verdikonservative velgerne og for hvordan det skal gå når Høyre og Fremskrittspartiet finner sammen. Og han lovte faktisk å hjelpe oss med det. Han skulle gå ut og snakke til velgerne og advare mot dette, for han mente de ikke kjente Høyre igjen. Men de fleste meldinger jeg får – også dem som kommer via meningsmålinger – går på at de fleste kjenner Høyre godt igjen. Jeg tror jeg heller velger å gi statsråden det vennskapelige råd at det ikke er så ille at opposisjonspartier blir enige. Jeg tror det er verre

når de med stor patos snakker om nettopp det lokale selvstyret. De samme partiene – altså Høyre og Fremskrittspartiet – som i denne debatten og i tidligere debatter i dag uttrykker stor omsorg for lokaldemokratiet, vil jo selv legge ned det lokale selvstyret ved å tvangssammenslå kommuner en rekke steder i landet. Representanten Erna Solberg gikk under navnet «Jern-Erna» da hun var kommunalminister, og det var ikke akkurat hennes omsorg for lokaldemokratiet som ga henne det tilnavnet. Høyres struping av kommuneøkonomien kan knapt sies å være bra for lokaldemokratiet, med mindre lokalpolitikernes frihet til å velge hvor det skal kuttes, er demokratiets mål og mening, noe mange kommunestyrepolitikere kunne få inntrykk av i perioden 2001–2005. Jeg var selv en av dem som fikk valget mellom å kutte her eller der, og verre ble det for hvert år med Høyres lokaldemokratiske kommuneopplegg. Høyre og Fremskrittspartiet, som ikke går av veien for å selge kommuners arvesølv – slik som da e-verket hjemme i min hjemby, Trondheim, ble solgt – bør ikke belære for mye om handlingsrommet til lokaldemokratiet. Å outsource offentlige oppgaver og opprette interkommunale selskaper som tar makt vekk fra folkevalgte fora og over til mer bedriftslignende dannelser og AS-er, er heller ikke noe som styrker folkets vilje i kommunene. Derfor er jeg rett og slett litt sliten av i debatt etter debatt å se høyresiden, som selv står for en dramatisk nedbygging av det lokale selvstyret, i all sin praktiske politikk likevel ha så høy sigarføring i disse debattene. Å karakterisere regionale planer – alle utarbeidet i tett samarbeid mellom fylkeskommunen, som er demokratisk styrt, staten, som vitterlig styres av oss, jeg håper Høyre deler oppfatningen om at staten er demokratisk styrt, kommunene, som utgjør det nærmeste demokratiske leddet for folk, og næringslivet, som høyresiden vanligvis vil gi økt makt – som en «sentral overstyring», som det heter i merknaden, vanskeliggjør en god debatt om dette temaet. Jeg skal huske mange festtaler om lokaldemokratiets fortreffelighet i dag. Neste gang jeg hører Fremskrittspartiet i en debatt om sykehjem, er ikke det lokale selvstyret så viktig lenger, eller neste gang FrP-ere truer med å ekskludere hverandre fra partiet som følge av at lokaldemokratiet får virke, og også når FrP-ere realitetsorienterer seg og innfører eiendomsskatt og bompenger. Det er nemlig greit med sentralstyring, ifølge Fremskrittspartiet, for å beskytte Fremskrittspartiets program og Fremskrittspartiets interesser, men ikke for å beskytte fellesskapets interesser. Og så melder jo spørsmålet seg – nå har vi jo hatt mange av de debattene her i dag: Hvis Høyre brenner så voldsomt for disse temaene, hvorfor gjorde de ingen ting da de satt i regjering? De gjorde jo ingenting for det lokale selvstyret da de satt i regjering. De strupet kommuneøkonomien, de prøvde å tvinge kommuner til å slå seg sammen, de spilte på representanten Solbergs tøffe image nettopp overfor lokaldemokratiet, men det kom ingen liberalisering av strandsonen – tvert imot var tilfellet under Børge Brende. Det kom ingen endringer på saken vi diskuterer nå, som gjelder kjøpesentre. Det gjorde det ikke. Og man gjorde ingen endringer i rovdyrpolitikken i den retningen Høyre signaliserer at de står for i dag. Høyres politikk ser mer og mer ut som en populistisk velgerjakt, noe som er lett å holde på med når man sitter i opposisjon. Men partiet har jo hatt sjansen til å gjøre noe med det, og det var lite overbevisende forrige gang. Det jeg husker av Høyres forrige runde i regjering, var svært innskrenkede rammer for det viktigste lokaldemokratiet kan holde på med, nemlig å sørge for at fordelingen av tjenester og goder i lokalsamfunnet er god og korrekt og rettferdig.

Utviklinga har vore prega av stort areal- og energiforbruk, sterk vekst i biltrafikken, auke i lokal luftforureining og ein synkande del kollektivtransport. Slik vil vi ikkje ha det lenger. Denne utviklinga må Det krev ei aktiv holdning til stadforming, ein bevisst forsterking av eksisterande sentrum, hovudstrukturar og viktige kollektivårer. Det krev slutt på planlaus utbygging av bilbaserte kjøpesenter, etablert til dels langt utanfor sentrumsområda. Det krev gjennomføring av samordna areal- og

Dette er planar som er utvikla gjennom omfattande samarbeid mellom fylkeskommunar, fylkesmenn, kommunar og det lokale næringsliv, og som er politisk forankra. Dei rikspolitiske avgjerdene for kjøpesenter slår fast at etablering av kjøpesenter berre skal skje i samsvar med dei politisk godkjende fylkesplanane med retningsliner for varehandel og dei i merknadene til saka legg vekt på at lokaldemokratiet må høyrast, og at retningslinene er ei overstyring. Det er dei ikkje. Dei rikspolitiske retningslinene for kjøpesenter tek berre for seg dei tiltaka som er i strid med det dei lokale folkevalde har vedteke, og er såleis tvert imot ei presisering av lokaldemokratiet.

mot kommersielle, pengesterke interesser. Profesjonelle utbyggingsfirma spekulerer i at det vil bli gitt dispensasjon frå dei politisk vedtekne planane, og presset mot kommunane er stort. Senterpartiet vil vera tydeleg på at det ikkje er handelsinteressene og pengane som skal styre by- og tettstadsutviklinga, men det omvendte. Gjennom planar fastlagde av dei folkevalde i fylke og by- og tettstadsutvikling. Dei rikspolitiske retningslinene byggjer opp om dette. Derfor treng vi framleis desse retningslinene. Høgre og Framstegspartiet skriv i saka at dei meiner det er eit «paradoks» at forskrifta vil leggja til rette for sentrumsnær handel, mens det samtidig er ei målsetjing å avgrensa bilbruk i sentrumsnære strøk. Men her er jo poenget at ein ved fortetting nettopp kan sikra alternative transporttilbod og leggja til rette for kollektivtilbod, for fotgjengarar og ikkje leggja til rette for bilbaserte lokalsamfunn ved å spreia handelstilbodet. Det er 17 år sidan Stortinget fastsette rikspolitiske retningsliner for samordna areal- og transportplanlegging. I desse la Stortinget vekt på at fortetting i sentrumsnære område og reduksjon i biltrafikken reduserer areal- og energibehovet. Dette gir samtidig tryggare, Framstegspartiet og Høgre sitt forslag er etter mitt syn i strid med desse nasjonale styringsprinsippa, som har vore gjeldande mål for areal- og miljøpolitikken heilt sidan 1970-talet. I saka lovprisar Høgre og Framstegspartiet etablering av bilbaserte kjøpesenter utanfor sentrum, og skriv at store kjøpesenter utanfor dei store byane vil fungera som eit «priskorrektiv». Om det er tilfellet, så er spørsmålet om kva som er viktigast for Høgre og Framstegspartiet, auka handelskonkurranse eller det å sørgja for ei miljøvennleg og berekraftig by- og tettstadutvikling i Noreg for dei etterfølgjande generasjonane. Det er

Det er dessverre et ikke ubetydelig antall norske byer og tettsteder som ikke ser slik ut, selv ikke på en lørdag formiddag. Det er nesten ikke liv der, livet foregår helt andre steder. Reiser vi til USA eller andre land, ser man en kolossal utvikling i en slik retning. Det finnes amerikanske byer med mange hundre tusen innbyggere hvor det ikke i sentrum. Jeg har vært der og kan bekrefte dette. Alt er flyttet ut til kjøpesentre. Så er spørsmålet om man ønsker en slik samfunnsutvikling eller ikke. Jeg er helt sikker på at det store flertallet av nordmenn ikke ønsker en slik utvikling. Man ønsker levende by- og tettstedsentre. Da må man også ha handel der. Den andre grunnen er at

Nå er det ikke noe absolutt forbud mot nye kjøpesentre, slik noen gir inntrykk av. Det er bare den klargjøring at de skal ligge i tilknytning til kollektivtrafikk, slik at den muligheten foreligger i tettsteder og sentre. Alle fylkene unntatt Hedmark har laget slike planer. Så gjør Flåtten fra Høyre dette til et spørsmål om fornuft lokalt versus sentralt. La meg illustrere dette med et veldig godt eksempel, fra et sted der jeg tror det sitter Høyre-folk i alle tre kommunene, i alle fall i ledelsen av alle tre kommunene, nemlig Drammensdistriktet. Drammen har oppnådd fenomenale resultater på dette området bl.a. under Høyre-styre de siste årene. De har fått revitalisert sentrum på en måte som gjør at Aftenposten skriver over seg om hvor flott det er i Drammen, og at Oslo bør reise til Drammen for å lære. Hva er bekymring nr. 1 for Drammens Det er etablering av store, bilbaserte kjøpesentre i Lier eller Nedre Eiker – to nabokommuner som er Høyre-styrt, i hvert fall overtok borgerlig side Nedre Eiker, hvis jeg ikke husker dette helt feil, ved siste valg, og Lier i er i alle fall Høyre-styrt. Det er jo ikke det at vettet bare finnes i Drammen, går jeg ut fra, eller i Lier eller i Nedre Eiker. Det er rett og slett forskjellige interesser mellom disse kommunene. Liers ordfører representerer Liers interesser, Nedre Eikers ordfører representerer det som oppfattes som Nedre Eikers interesser, mens Drammen-ordføreren fra Høyre representerer det som oppfattes som Drammens interesser, men interessene kan ikke forenes samtidig. Hvis man ikke tar et overordnet grep om kjøpesenterutviklingen f.eks. i Drammensregionen, kan alt det møysommelige, flotte arbeidet som er drevet over mange år, som nå har gjort Drammen til en av Norges mest suksessfulle byer, rives vekk vekk av kjøpesenterutvikling i Høyre-dominerte kommuner ved siden av. Det er denne mekanismen vi trenger å tenke på alle steder. Det er derfor vi trenger denne retningslinjen. Hedmark er et annet eksempel. Svenskene ville lage et kjøpesenter på svensk side av grensen, på et sted hvor det ikke bor noen svensker. Det er ikke noen svensker i nærheten engang. Det er bare rettet inn mot et norsk publikum. Da vi fra Miljøverndepartementets side tok kontakt med svenskene for å spørre om dette virkelig var en god så langt unna som til Hamar, ja så har det drastiske, negative konsekvenser på norsk side og fører også til en svær biltrafikk til svensk side bare for å handle, i stedet for at vi får beholde handelen på våre tettsteder. Det er ubegripelig at Høyre kan se seg tjent med en slik samfunnsutvikling. Fremskrittspartiet – igjen har jeg ikke så store forventninger til på dette området, men jeg hadde trodd Høyre kunne forstå vanskelighetene med dette. Det åpnes for replikkordskifte. Det er

lokal politisk styring, hadde jeg vært godt fornøyd. Jeg har et faktisk og praktisk spørsmål til ham når det gjelder utarbeidelsen av denne forskriften, og det som ligger bak denne diskusjonen om bilkjøring og klimagasser: Hvilke undersøkelser og dokumentasjoner har statsråden og departementet gjort om hva dette betyr generelt i landet, men også i de forskjellige områdene? Folk må kjøre også inn til byene de aller fleste steder. Finnes det undersøkelser om det som dokumenterer hans synspunkter? Ja, det Ja, det finnes omfattende undersøkelser som dokumenterer at de som handler i sentrumsområdet, i stor grad er gående, syklende og kollektivreisende. Det finnes mange undersøkelser på dette området, men en undersøkelse viser at 70 pst. av handelen i sentrale områder foregår på den måten. Vi ser gjerne på flere undersøkelser, og dette er jo noe som Transportøkonomisk institutt eller andre kan belegge. Men det er ganske innlysende at et rent bilbasert kjøpesenter trekker mer biltrafikk. for ikke å snakke om at et kjøpesenter på svensk side på et sted hvor det ikke er noen kollektivtrafikk, hvor folk ikke har noe annet ærend overhodet enn å kjøre dit med bil, fører til vesentlig mer biltrafikk enn hvis man holder handelen i norske byer og tettsteder. Jeg besøker gjerne Vestfold-byene. Jeg var der i går og besøkte svigerfar, som bor i Høyre-styrte Tønsberg. Han får selv gjøre rede for hvor fornøyd han er med Høyre-styret der – det skal ikke jeg gi meg inn på. Men jeg merker meg at Flåtten går helt utenom det som er mitt hovedanliggende, nemlig at det i Drammensregionen er en stor fare for at alt det positive som er oppnådd i Drammen, kan ødelegges av bilbaserte kjøpesenter i Høyre-styrte kommuner rundt. Dette var en interessant samtale, så jeg tillater meg i hvert fall å si at det å sammenligne Drammen med ganske mange andre byer, spesielt i Vestfold, er historisk sett, og i forhold til hvordan den ligger til, meget vanskelig! Men jeg har lyst til å Statsrådens partifelle Serigstad Valen sa i sitt innlegg her at Høyre vil tvangssammenslå kommuner. Hvis vi ser bort fra valgkampretorikk og annen retorikk om at kommunene ble sultefôret til å slutte seg sammen – hvilket de i forhold til beløpene fortsatt egentlig blir – vil jeg gjerne vite om statsråden deler synspunktet om at Høyre har sagt at de vil det, og hvor vi i tilfellet har gitt uttrykk for det. Nå er det en debatt om bilbaserte kjøpesenter, og så kan vi ta debatten om kommunesammenslåinger en annen gang. Nå har jeg tatt to tydelige eksempler på hva disse retningslinjene betyr. De betyr altså et vern om det positive som har skjedd i Drammen. Det går man utenom. Så er det altså et forsøk på å legge et kjøpesenter ved Trysil, på svensk side – som Høyre protesterte mot at vi protesterte mot – som også vil dra mye biltrafikk. Istedenfor å konsentrere seg om disse praktiske eksemplene på at vi trenger disse rikspolitiske retningslinjene, Så er det altså et forsøk på å legge et kjøpesenter ved Trysil, på svensk side – som Høyre protesterte mot at vi protesterte mot – som også vil dra mye biltrafikk. Istedenfor å konsentrere seg om disse praktiske eksemplene på at vi trenger disse rikspolitiske retningslinjene, snakker vi om alt mulig annet. La oss gå til Vestfold. Der har det også vært foreslått kjøpesenter i den indre del av fylket, hvor det er en relativt liten befolkning, også kjøpesenter som i stor grad vil være bilbasert. Det var Statens vegvesen som kom med de vektigste innvendingene mot noen av disse planene, fordi
Ingen flere har bedt om

Vi har tatt kontakt med våre svenske kolleger. Jeg er i hvert fall veldig, veldig trygg på at den svenske miljøvernministeren, som er i en sentrum–høyre-regjering, er langt, langt mer medgjørlig og positiv i spørsmålene enn hva Høyre er her på Stortinget. Det viser seg jo muligens at det kan bli annerledes også når Høyre kommer i regjering, og når det ikke blir på denne måten. I hvert fall er den svenske Centern-statsråden veldig lett å snakke med i slike spørsmål. Det er Sverige som bestemmer hva Sverige vil gjøre. Men det jeg tok opp, var at da jeg og Miljøverndepartementet gikk ut og skrev brev til svenskene og ba dem også vektlegge problemene dette skaper for Norge med sin svenske beslutning, hoppet Høyre ut og protesterte mot dette, istedenfor å forsvare de – vil jeg tro – relativt mange Høyre-velgere som driver småhandel i Elverum, Trysil, Hamar, Åmot og hvilken kommune det måtte være, og som vil være under sterkt press fra et sånt

For Hedmark er litt spesielt. Man har ikke laget fylkesplaner, rett og slett fordi man ønsket at det skulle bli en lokal beslutning. Man får ikke bygget ut kjøpesenter uten at det ligger helt inne i bykjernen. Det finnes mange beregninger på at klimaregnskapet når det gjelder situasjonen slik som den er i Hedmark, er svært dårlig for statsråden. Så jeg vil oppfordre ham til å gå inn i problematikken, finne ut hva som er realitetene, og da vil han se at kjøpesenterforskriften virker mot sin hensikt. Her er det mye jeg ikke forstår. Jeg klarer ikke å forstå hvordan det kan bli mindre bilkjøring i Hedmark av om folk handler i Elverum, Hamar eller for den del på Rudshøgda, enn om de skal sette seg i bilen og kjøre mange mil til et kjøpesenter som ligger på svensk side, på et sted der det knapt bor noen på svensk side, og veldig få på norsk side, og veldig få på norsk side. Det må notorisk bli mer bilkjøring av at vi foretar den øvelsen. Om noe viser denne diskusjonen bare behovet for at vi kunne hatt et litt mer overordnet regionalpolitisk samarbeid i hele Norden, fordi en beslutning som tas av Sverige, har stor betydning for Norge. Det er nøyaktig den samme mekanismen mellom to land som det jeg pekte på i i Drammen-eksemplet. Der dreier det seg altså om Nedre Eiker eller Lier, som kan tenkes å lage kjøpesentre som vil ha stor negativ virkning på Drammen. Rundt omkring i hele landet kan man se tilsvarende eksempler. Kjøpesenter legges et sted i en kommune, men det har stor og negativ effekt på nabokommuner. Akkurat den samme mekanismen er det mellom to land. Det tilsier bare at vi må ha mer utstrakt samarbeid mellom Norge og Sverige også om denne typen problemstillinger.

overleve og eventuelt nyetablere seg i byene våre. I tillegg er arealbruken miljømessig uheldig. Det er videre interessant at både Fremskrittspartiets og Høyres førsteinnlegg primært spiller på dette med overstyring og ikke går på den temamessige substansen i saken, nemlig hva som er samfunnsmessig god lokaliseringsstruktur for varehandelen. Eller enda viktigere: Hvordan er det vi bidrar til en god og økonomisk sunn byutvikling her til lands? Jo, som statsråden forteller oss – en nødvendig, om ikke tilstrekkelig, forutsetning er nettopp å legge til rette for en god varehandelsutvikling i byene våre. Og det overrasker ikke meg at Høyre og Fremskrittspartiet i denne innstillingen må gå til Sverige for å finne eksempler på at dette er heldig, og ikke klarer å hente fram et eneste eksempel fra Norge. Selv har jeg erfaring fra Lillehammer og Gjøvik – to byer som i utgangspunktet valgte to helt ulike strategier. Lillehammer satser på en balansert utvikling mellom kjøpesentre det å legge til rette for varehandel i byen, og har lyktes veldig godt med å lage et pulserende, spennende og økonomisk sunt bysentrum. Gjøvik valgte en helt annen strategi, og er det noe som varehandelen i Gjøvik sentrum virkelig har stridd med, er det nettopp det at sentrum er i ferd med å bli lagt øde. Det er ikke uten grunn at vi på Lillehammer ved passende og upassende anledninger serverer følgende Jo, det er å vandre gjennom gågata – eller handelsgata – i Gjøvik og tro at en har noen bak seg. Nå er heldigvis Gjøvik godt i gang med å redde bysentrumet, bl.a. godt hjulpet av – og det er et poeng her – den rikspolitiske kjøpesenterbestemmelsen og den fylkesdelplanen som er utviklet. Dette siste er interessant, for det er ikke slik at kommuner og fylkeskommuner ikke setter pris på å ha slike bestemmelser, tvert imot. De synes ofte det er godt å kunne spille på slike bestemmelser og kunne bidra til en slik overordnet planlegging som ligger i dette systemet. Og ikke minst varehandelen selv – det er vår entydige erfaring fra Oppland – setter pris på både å delta i og å utforme slike overordnede planer og i neste omgang få på plass

Det går ikke. Det forbauser meg at Senterpartiets representant Kjersti Toppe går inn for en planøkonomi – at man skal være bestemt på at her skal sentrene ligge – og fylkesplaner, fylkesdelplaner, politisk godkjente områder der man skal kjøre med bil, for det er slik i dette landet at det kanskje kun er 10–15 tettsteder i hele dette landet som har

også i sentrum. Politikerne burde legge til rette for at de som ønsker å etablere seg, etablerer seg. Det er forretningsdrivende som investerer pengene, og hvis det mot formodning ikke går, at de går konkurs, hvem er det som taper? Jo, det er de som har investert pengene sine. Senterpartiet, som bygdeparti, burde absolutt gå inn for at man kunne kjøre. Norge er stort, og vi trenger bilen. Lastebilene kjører rundt med et stort skilt bak der det står at uten bilen stopper Norge. Det er faktisk tilfellet, for uten bilen, privatbilen, får man ikke handlet det man ønsker, og man får det ikke hjem til en rimelig pris. Taxi er dyrt! Dette er jo en litt merkelig debatt. Jeg synes det

trikk eller bil, må det være mulighet for å komme dit. Et godt eksempel som viser hvordan et tettsenter har vokst, er i Eda kommune, like innenfor Kongsvinger, i Värmland fylke, eller län, som det heter. Der var det et senter som ble mindre og mindre. Det var fraflytting og forgubbing. Det var faktisk såpass mye forgubbing at til og med den erotiske butikken etter hvert forsvant. Og det forteller jo ganske mye, i og med at dette lå ganske nært norskegrensen. Men så kom det en kar som het Thon. Han pratet med kommuneledelsen og sa at han var interessert i å etablere et eller annet der. Kommunen sa ja, de sa til og med såpass mye ja at de rev skolen der, slik at på den tomten skulle Thon få lov til å etablere seg.

dag. Det er slik det skal være i Norge også. Hvis det er noen som vil etablere et eller annet, om det er over eller under 3 000 m2, skulle det ikke være noe å si til det. I forbindelse med en slik etablering investeres det selvfølgelig mye penger. Det investeres penger i å kjøpe tomten, i bygningen, i butikkene, og det investeres i folk i butikkene. Det er bare positivt for hele lokalsamfunnet. lokalsamfunnet. Ikke bare er det positivt for det senteret, men det vokser også knopper rundt senteret, slik som flere kafeer, flere bensinstasjoner og servicetilbud. Det er ikke bare senteret som vokser, men også mulighetene rundt et slikt senter. Det ble pratet litt om det som skjer på svensk side, ved Trysil kommune i Hedmark. Det er klart det er en grunn til at noen lufter tanken om å etablere et nytt kjøpesenter på svensk side, og det handler jo selvfølgelig om penger. Hvis vi nordmenn kan være såpass framsynte at vi også ser på muligheten for å etablere noe tilsvarende på norsk side, vil vi demme opp for mye av handelslekkasjen, og det er jo handelslekkasje mye av dette her handler om. Vi mister mange arbeidsplasser på grunn av at det etableres store sentre på svensk side, og det handles for noe enormt. Den summen økes fra dag til dag, fra måned til måned og fra kvartal til

Jeg tenker at de erfaringene vi har gjort oss, er at dette handler også om å skape forutsigbarhet for næringen. Jeg er veldig for kjøpesenter hvis det etableres riktig, i en riktig form og på en riktig måte sånn at man klarer å få kollektivtrafikken til å fungere og få nabokommunene til å samarbeide. Dette handler om konkurranse, om arbeidsplasser, og det handler om Men de aller fleste kommunene i Norge er fremdeles små. Det er svært få som er store, sånn som Drammen, og man skal klare å få alt dette til å fungere. Jeg ser faktisk ikke problemene. Dette er ting som kommunene har spilt inn til de regionale planene. Man har jobbet sammen med næringslivet for å skape rammebetingelser rundt boforholdene og fritidstilbudene til folk på en skikkelig måte. Det betyr at disse rammebetingelsene som nå legges, styrker muligheten for at etableringen faktisk kan være levedyktig på lang sikt. Det er ganske vanskelig, om det er Thon eller andre, å etablere et kjøpesenter hvis konkurrenten legger et rett på kommunegrensen og utkonkurrerer deg. Det handler om forutsigbarhet også for handelsnæringen, å kunne vite hva er omdømmet, og hva er kundegrunnlaget. I de fleste tilfellene er kjedene veldig nøye med hensyn til hvem som er etablert i en region, når de skal vurdere etablering. Det betyr at bosettingsmønsteret og kommunenes planer ligger til grunn for de valg som gjøres. Det er veldig mange prosesser som pågår. Jeg tenker at det å snakke med naboen og bli enige om at dette fungerer, om det nå er Sverige eller nabokommunen, nabokommunen, er faktisk ingen dum ting. Det skaper gode rammer for næringslivet, og det etterlyser de veldig ofte. Jeg tenker at dette er et klassisk eksempel på at vi faktisk får de forutsigbare rammene for å kunne drive næring på lang sikt, fordi vi etablerer bygdemiljø som er gode. Dette handler om både etableringen ute på bygda, og det handler om etableringen rundt storbyene. gode. Dette handler om både etableringen ute på bygda, og det handler om etableringen rundt storbyene. Framstegspartiets Henning Skumsvoll kritiserer Senterpartiet fordi ein ynskjer ei planlagd utvikling – altså ein ynskjer planlegging snarare enn fritt fram. Det er ein kritikk som får stå for Framstegspartiet si rekning. Vidare framfører han eit argument om at det er bygda som taper på at ein driv denne planlegginga, for det går så få bussar at det ikkje har noko for seg å ha ha butikkane i dei lokale sentra, ein må ha bil uansett. Viss ikkje, er det taxi som er alternativet. Eg skal vere einig i at bilen er nødvendig i mange norske distrikt, men bilen er jo ikkje eit mål i seg sjølv. Eg synest Skumsvoll peiker på eit ganske viktig poeng, nemleg at det er ei rekkje personar som ikkje har bil og ikkje kan køyre bil – eldre, funksjonshemma og andre – og dei er jo dei som fyrst av alt vil vere taparane viss vi innfører eit system som fører til at dei store kjøpesentra etablerer seg utanfor tettstadene, på kostnad av lokale butikkar i tettstadssentra der det likevel er legekontor, der det er eit rådhus, der det er eldretun, osv. Det er kanskje få bussar i norske distrikt, men dei bussane som er, går nettopp til dei sentra. Det er jo sjølvsagt eit taxitilbod, men det er jo eit forholdsvis dyrt tilbod viss du skal køyre langt av stad til eit kjøpesenter og det ikkje finst lokale tilbod. Så vil eg understreke at dette ikkje er ein debatt for eller imot kjøpesenter og butikkar. Det er ein debatt om kva planlegging ein skal ha i samfunnet på dette området, og kva retningslinjer som skal gjelde når ein planlegg for f.eks. butikksenter i samband med både busetjing og det kollektivtrafikktilbodet som finst. Flere har ikke bedt om ordet til sak nr. 7. Etter ønske fra energi- og miljøkomiteen vil presidenten foreslå at taletiden begrenses til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

vedtatt. Forslaget vi nå behandler, handler om rask iverksettelse av samfunnsøkonomisk lønnsomme klimatiltak fra Klimakur 2020 og oppfølging av klimaforliket. Jeg vil begynne med å understreke hvor enormt viktig arbeid som er lagt ned i Klimakur. Det er en svært omfattende analyse, og det helt unike med denne er at alle de statlige etatene som har vært involvert, NVE, Oljedirektoratet, Statens vegvesen, SSB og Klima- og forurensningsdirektoratet, er enige om analysen. Det gir oss et utrolig solid utgangspunkt, et utrolig viktig verktøy for å meisle ut den planen som skal vise oss hvordan 2020-målsettingene kan nås. Det var jo aldri meningen med Klimakur at man skulle sette en slags strek, et tak, en pris som definerte en grense for hva slags tiltak som skulle gjennomføres eller ikke. Skulle man gjennomføre alt under streken og ingenting over? Det kan godt hende at det er tiltak som er dyre, og som tar tid, som skal være på listen over ting vi går i gang med raskt, nettopp fordi at det tar tid. Det kan f.eks. være fordi det er tiltak som vil føre til betydelig teknologiutvikling, som jo har vært til debatt tidligere i dag, hvor det finnes muligheter for næringsutvikling. Klimakur er et utrolig godt gjennomarbeidet dokument, en usedvanlig godt dokumentert analyse av kostnadene ved ulike klimatiltak. Men skulle man peke på én svakhet, ville jo det være at man ikke har noen analyse av inntektssiden. Det er i og for seg forståelig. Det er utrolig vanskelig og ville fort ha båret preg av mye synsing, men det er tross alt noe som vi er nødt til å ta med. All klimapolitikk er ikke nødvendigvis utgifter. Det ligger også næringspolitiske muligheter og teknologiutviklingsmessige muligheter i det. Mandatet til Klimakur-arbeidsgruppen var å analysere klimaeffekten av tiltak. Men klimatiltak kan også ha andre positive effekter, på luftforurensning og på bymiljøet. Det kan redusere vårt behov for energi og dermed spare oss for Om man skal gjøre tiltak i sektorer som er omfattet av andre virkemidler, slik som kvoter og avgifter, er også en veldig viktig prinsipiell debatt. Så vet vi at det er en utfordring at klimatiltak som er lønnsomme, ikke bare samfunnsøkonomisk, men til og med bedriftsøkonomisk lønnsomme, ikke settes i verk. Vi så det veldig godt da Klimakur ble lagt fram, at en ikke ubetydelig mengde tiltak hadde en negativ kostnad. 30 av 160 ble definert som samfunnsøkonomisk lønnsomme. Det er jo mange grunner til at de ikke blir realisert. Manglende kunnskap er helt åpenbart, men også andre ting. For et års tid siden la Bellona og Siemens fram en barrierestudie når det gjelder energieffektivisering i bygg. Der ble dette forholdet mellom eier og leier påpekt som kanskje den viktigste barrieren for at man ikke

Det er bra for norsk klimapolitikk, for Klimakur gir ingen anbefalinger om hva som bør velges. Men jeg får et inntrykk av at forslagsstillerne tror at det at vi skal ha en klimamelding i 2011, betyr at vi ikke kommer til å sette i gang åpenbart fornuftige klimatiltak før det. Selvfølgelig vil man det. Man får en sjanse i forbindelse med høstens budsjett. Vi har allerede varslet 500 mill. kr til klimateknologi over tre år, som et eksempel. Her er det egentlig ganske liten uenighet. Egentlig er dette en litt unødvendig debatt, men det er helt fint å få en mulighet til å presisere at det selvfølgelig ikke er slik at regjeringen ikke har tenkt å sette i verk et eneste fornuftig klimatiltak før i 2013. Det er også grunnen til at man foreslår å vedlegge dette forslaget

tilskuer, hvorfor Bondevik-partiene er så utålmodige som de er, for jeg oppfatter at de gikk inn i et forlik med betydelig alvor og mening, men blir møtt med forsinkelser og avmakt. Fornuftige miljø- og energitiltak er bra. Det støtter Fremskrittspartiet. Da klimaforhandlingene pågikk på Stortinget, var Fremskrittspartiet først ute med å fremme en konkret liste over hvordan vi mente Kyoto-forpliktelsene burde innfris

fra 13–16 mill. tonn til 15–17 mill. tonn. De klarte aldri på noen måte å sannsynliggjøre hvordan klimaforliket faktisk kunne sannsynliggjøre økte utslippskutt. Det er egentlig forlikspartnernes problem. Jeg bare konstaterer at Klimakur, da den ble framlagt, for det første burde ha vært framlagt før klimaforliket ble inngått – da kunne en ha fått et mer realistisk forlik

over f.eks. en 30-årsperiode. Jeg registrerer at i etterkant av forliket har regjeringen endret retorikk betydelig. Der stasråden før – nesten fram til valget – snakket om hvor viktig det var å gjøre ting i Norge, skryter en seg nå mest i hjel av at en klarer å kutte utslipp og redde regnskog i andre land. Nå er det også vel så viktig at hele verden er vel så viktig at hele verden er med på CO2-renseprosjekter, ikke bare Norge. Det synes jeg på ingen måte er negativt – jeg synes det er veldig bra at statsråden er i fri bevegelse i en fornuftig retning. Jeg skulle bare ønske at det hadde ligget til grunn da Stortinget gjorde sine vedtak for et par år siden, og ikke at det kom i etterkant. Da har man i realiteten surret bort et par år i retorikk, framfor i praktisk politikk. Det jeg ønsker å få statsråden til å bekrefte, er fortolkningen av klimaforlikets mål.

Neste taler er Erling Sande, deretter

Det er imidlertid grunn til å være svært bekymret for regjeringens tempo og resultatene som er oppnådd så langt. Regjeringens handlingslammelse i klimapolitikken gjør at vi neppe vil se konkrete tiltak hjemme før tidligst i 2012 eller 2013. Det er helt i tråd med den holdningen regjeringen har til klimaspørsmålet. Det er skuffende langt mellom ord og handling. Vi ser til og med at regjeringen nokså konsekvent og aktivt velger bort de miljøvennlige løsningene, og det gjør denne debatten langt mer aktuell enn det representanten Marthinsen legger til grunn. Det holder å minne om innføring av autodieselavgift for biodiesel, den særnorske forbrenningsavgiften som har ført til søppelkonvoier fra Vestlandet til Sverige, vid adgang til dispensasjoner fra deponiforbudet og manglende mål og tiltak for å fremme energieffektivisering – det siste ble kanskje best illustrert gjennom den ambisjonsløse energistandarden i R6, det nye Når regjeringen i tillegg har utsatt prestisjeprosjektet på Mongstad, utsatt rensing på Kårstø på ubestemt tid og sliter med å lykkes med kvotekjøp gjennom den grønne utviklingsmekanismen, er det grunn til å minne miljøvernministeren om at våre etterkommere ikke vil dømme oss på vår vilje til å love, men på vår evne til å levere. Den jobben må begynne nå. Vi erkjenner at det vil være vanskelige avveininger i debatten om hvilke tiltak som skal iverksettes. Samtidig tror vi at det vil være bred enighet om å gjennomføre mange av de samfunnsmessig lønnsomme tiltakene som er identifisert i Klimakur. Potensialet er stort. Tar vi med tiltak med en pris tilsvarende forventet fremtidig kvotepris, utgjør potensialet 6 mill. tonn CO2-ekvivalenter per år. Lønnsomme og billige klimatiltak utgjør dermed til sammen rundt halvparten av de nasjonale utslippsreduksjonene som er nødvendige for å oppfylle Dette er tiltak som spenner fra økt kollektivtilbud i seks byer, hovedveinett for sykkel, økokjøring, effektivisering av personbiler, innfasing av gassferger og landstrøm for ferger i rutetrafikk, energiledelse og økt bruk av bioenergi i industrien, overgang fra fossil energi til andre energibærere i bolig- og næringsbygg, optimalisert gjødsling i jordbruket og økt bruk av gjødsel i skogbruket, for å nevne noe. Høyre mener det er hevet over tvil at hoveddelen av de lønnsomme og billige tiltakene identifisert i Klimakur 2020 må gjennomføres, hvis Norge skal ha mulighet til å nå målene i klimaforliket. Det er ingen grunn til å la være å gjøre i dag det du uansett må gjøre i morgen – særlig ikke når forutsetningen for å lykkes med våre mål for 2020 er at vi setter i gang så raskt som overhodet mulig. Dersom vi følger regjeringens tidsplan, er jeg redd det vil være ønsketenkning

I dag har vi debattert ei rekkje klimarelaterte saker i denne salen. Her har både dyre og langsiktige, billege og raske tiltak blitt lyfta frå denne talarstolen, både frå opposisjonen og posisjonen. Vi har vore innom alt frå verkemiddelapparat for utvikling av klimavenleg teknologi til fokus på energieffektivisering i kommunane, for å nemne noko. Klimakur viser oss at det er mogleg å nå Noreg sine mål om ein reduksjon på 15–17 mill. tonn innan 2020, men det krev tiltak. Framstegspartiet viser rørande omtanke for klimaet ved å vere med og vere positive til å prioritere kostnadseffektive tiltak for å kutte Våre vegar skilst likevel raskt, når Framstegspartiet vil refortolke klimaforliket slik at det skisserte kuttpotensialet ikkje lenger blir oppfatta som eit forpliktande kuttal, men at ein i staden bør setje av ein fast pengepott og sjå kor mykje klimakutt ein får for det. Då er skilsmissa definitivt eit faktum. Det blir ikkje betre av at Framstegspartiet ikkje har forstått at klimaet ikkje berre treng langsiktige kutt, men også raske og substansielle kutt for å få ned feberen. Under dei pågåande klimaforhandlingane i Bonn har USA fleire dagar på rad nekta å delta i ein diskusjon om utsleppsmåla for dei rike landa. Det fekk den amerikanske miljørørsla til å peike ut USA som «Dagens fossil», sidan tilnærminga deira hindrar framgang i forhandlingane. Det er ikkje eit heidersteikn. Regjeringa sitt klimaarbeid er Regjeringa sitt klimaarbeid er tosidig, vi treng både å få ned utsleppa i Noreg, og vi skal vere ein pådrivar internasjonalt. I Framstegspartiet har vi ein heimleg kandidat til tittelen «Dagens fossil», og då Framstegspartiet synte ansikt i innstillinga, fekk vi ei god påminning om kvifor dei ikkje blei med på klimaforliket – i fall nokon treng det.

når biodrivstoffet skal produserast ein annan plass på kloden – og kva konsekvensar det kan få for verdas matproduksjon f.eks. Klimaet bryr seg lite om kor utsleppa kjem frå. Så om biodrivstoff blir ei prioritert løysing, er det heilt naudsynt at vi veit at det er produsert på berekraftig vis. Eit anna døme er avgiftsnivå og distriktspolitikk, for å nemne det. Dersom ein generelt aukar Så når tiltaka blir valde, må ein vurdere konsekvensane av dei for daglegliv og næringsverksemd i heile landet, slik at dette blir teke vare på. Regjeringa har trykk på klimaarbeidet. Klimaforliket er langt på veg oppfylt. Likevel har vi grunn til å vere utålmodige vidare. Vi må når vi vedtek skatte- og avgiftspolitikk. Vi må fokusere på omlegging frå fossil til fornybar energi, på produksjon av meir fornybar energi, på energieffektivisering og på langsiktige prosessar knytte til ny

det er slik at man er syk over lengre tid, så oppsøker man hjelp, og man begynner behandling. Det er snart tre år siden, 22. juni 2007, at regjeringen la fram sin klimamelding etter nesten to års arbeid. I januar 2008 ble klimaforliket inngått, der vi skjerpet regjeringens klimamålsetting gjennom opposisjonens arbeid, ved Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre. Så kom Klimakur i mars dette året. Nå har vi da ti år på oss med tanke på det kuttet som skal skje på 15–17 mill. tonn CO2-ekvivalenter. Regjeringspartiene vil i dag stemme ned forslaget om at vi skal sette i gang med de samfunnsøkonomiske tiltakene og de

Miljøvernminister Erik Solheim sa jo selv den dagen han fikk rapporten: «Dette er et kvantesprang forover i klimapolitikken her til lands, og det beste forskningsgrunnlaget som noensinne er gjort i hele verden.» Dette påsto en engasjert Erik Solheim da han tok imot rapporten, ifølge NRK. Ja, statsråden er engasjert, og det var litt dette vi ønsket å gå videre på i arbeidet her i Stortinget. Men i Men i stedet har regjeringen viklet seg inn i en argumentasjonsrekke om at en må se helhet. Da jeg var ung og lovende, var jeg med i KrFU. Vi hadde et slagord som het: «Hva gjør du i dag med i morgen?» For meg handler denne debatten litt om det. Hva gjør jeg i dag for å skape en bedre morgendag? Da mener jeg at vi burde tatt de enkleste, de laveste, fruktene. 3 mill. tonn

For Kristelig Folkeparti handler også denne debatten om å være med i klimadugnaden. Jeg tror at hvis vi skal få flere med oss i klimadugnaden, må vi politikere vise at vi tar ansvar for å få folk til å fortsette å sortere søppel, for å få flere til å kjøre kollektivtransport – da må vi ikke gå i feil retning når det gjelder biodiesel – og vi må ikke gjøre det verre når det gjelder småkraft, men vi må gå riktig.

Noen av forslagene vil være både dyre og radikale. Andre er kanskje billige og lette å bli enig om.» Det er nettopp disse forslagene, disse billige forslagene, vi lett kunne bli enige om. Det var de vi mente at vi nå burde ta tak i for å komme videre på denne veien. Det er ikke slik, som saksordføreren prøver å antyde, at vi skulle sette en strek med tanke på kostnader, for det er dyre tiltak som må iverksettes, og de må kanskje iverksettes raskt. Men nå håpet vi fra Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre at vi kunne blitt enige om de billige og de samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltakene, og starte der, for da blir det mer troverdighet. Vi hadde også hjulpet statsråd Erik Solheim som sier: «Vi må gjennomføre de billigste, enkleste og mest kosteffektive tiltakene først. Det er ren og skjær fornuft.» Vi i Venstre, Høyre og Kristelig Folkeparti er fornuftige politikere. Jeg kan skrive under på at representanten Hjemdal er

Men jeg blir i tvil innimellom. Den forestillingen vi fikk tidligere i dag, da Høyres gasskraftpolitikk gikk i oppløsning, kan jo få en til å stusse. Viljen til klimatiltak er uansett til stede, og jeg oppfatter jo at den er til stede blant alle stortingspartiene – nesten, i hvert fall. Opposisjonen tror innimellom at de plager oss i SV når de Det kan jeg avkrefte én gang for alle. I mange år var SV alene om å presse på i klimapolitikken. At opposisjonen har begynt å adoptere vår utålmodighet, er et veldig godt tegn, og det gjør oss alle bedre. Jeg oppfordrer opposisjonen til å fortsette å gjøre det. En av de virkelig store seierne for miljøbevegelsen har vært erkjennelsen av at klimatiltak ikke er selvpisking, som enkelte representanter kaller det, og ikke er smertefullt. smertefullt. Det er av to grunner, for det første fordi mange tiltak gir direkte gevinst med en gang. Energisparing i industri og husholdninger gir f.eks. kraftig reduserte energikostnader. En mer hensiktsmessig bruk av overskuddsgjødsel gir mer energi, klimagevinst og kan fjerne lokale forurensingsproblemer. Man kan kjøre mange sånne eksempler, For det andre er det nesten alltid billigere å gjennomføre klimakutt så tidlig som praktisk mulig enn å vente med å gjøre det. Alternativet, nemlig kostnadene ved å måtte tilpasse seg svært omfattende klimaendringer, vil være mye, mye høyere, og det vil også være mye større, negative konsekvenser for jordens befolkning.

Vi må jobbe mer med å finne ut hvorfor, men vi har noen forklaringer. Industrien, f.eks., har et energieffektiviseringspotensial som kan være på så mye som 10 TWh. Da blir vår jobb å finne virkemidler som kan utløse det. Det samme gjelder husholdninger. Vi har dramatisk økt støtten til ENØK via Enova, og likevel har vi mye å gå på. En årsak kan være at det ikke nødvendigvis er nok at noe på sikt lønner seg. En må også ha likviditeten til å kunne ta investeringen der og da. Det er det mange husstander som ikke har. Her bør vi se nærmere på f.eks. hvite sertifikater, som jeg ynder å snakke om i enhver stortingsdebatt når jeg har muligheten, kanskje etter modell fra Storbritannia, der vi i komiteen var innom temaet på besøk hos Energidepartementet. Det er en ordning som også har sosialt utjevnende effekt. Slik kan vi også gå gjennom de fleste sektorer. Potensialet er stort. Mye av veien er lagt, men samtidig bør vi være sikre på at tiltakene vi gjennomfører, faktisk fungerer og gir den ønskede effekten. Klimakur leverte sin rapport i år, og jeg tror det er viktig med en god og grundig høring, selv om jeg også gleder meg veldig til den ferdige behandlingen. Det gjør jeg. Til slutt er det illustrerende – jeg må jo innom Høyre i dette innlegget også – at representanten Astrup i sin sedvanlige liste over hvor ille regjeringen er, av fem eller seks saker nevnte én sak der regjeringen leverte, og det før opposisjonens forslag var ferdigbehandlet i Stortinget, nemlig forbrenningsavgiften, og én sak representanten Astrup selv avlyste i dag, nemlig kravet om rensing av gasskraft, som Høyre på svært forvirrende vis prøvde å forsvare for et par debatter

Det må være et tankekors for representantene fra SV og Senterpartiet – partier som jeg oppfatter har et genuint engasjement for miljøet. Da det ble kjent at klimameldingen, som opprinnelig skulle vært lagt fram for Stortinget i år, blir utsatt til høsten 2011, understreket miljøvernministeren ved en rekke anledninger at dette ikke nødvendigvis innebar en utsettelse av viktige tiltak for å nå klimaforlikets mål om reduksjoner. Dette skulle man komme tilbake til i forbindelse med budsjettbehandlingen i Stortinget. Vel, som medlem av finanskomiteen følger jeg dette arbeidet svært tett, og jeg må med hånden på hjertet si at det er vanskelig å finne lyspunkter i regjeringens opplegg i revidert budsjett når det kommer til klimaområdet. Hovedproblemet med oppfølgingen av klimapolitikken er at den fra regjeringshold er innrettet på en slik måte at der det finnes penger til tiltak ute, finnes det ikke gode prosjekter, mens der prosjektene står i kø hjemme, finnes det ikke penger. Et godt eksempel er regjeringens opplegg for kvotekjøp i utlandet. Årlig bevilges det milliardbeløp til dette formålet, men pengene blir ikke brukt. Det er åpenbart at regjeringens bevilgninger til kvotekjøp i utlandet er et ledd i en strategi for å grønnvaske de årlige statsbudsjettene. Det settes inn store ressurser på å selge ut budsjettprofilen som klimavennlig, på bakgrunn av bevilgningene til kvotekjøp, mens statsregnskapet, der det går fram hvor lite som faktisk blir brukt, levnes liten oppmerksomhet. Denne øvelsen gjentar seg år etter år. Samtidig ser vi en rekke gode, samfunnsøkonomiske og kostnadseffektive klimatiltak hjemme, som mangler nødvendig vilje og finansiering fra regjeringshold til å la seg realisere. Det har flere vært inne på her i dag.

At dette forslaget stemmes ned i dag, vil jeg karakterisere som en usedvanlig tilbakelent holdning i klimapolitikken fra det rød-grønne flertallet, og nok et eksempel på at det er de borgerlige og de sentrumsorienterte partiene som står for initiativet i klimapolitikken, slik vi også opplevde det under forhandlingene om klimaforliket.

Men når man skal tenke gjennom hvordan man skal gå fram for å gjøre det, tror jeg vi skal starte med et grunnleggende utgangspunkt, og det tar jeg fra bistandsverdenen, hvor det finnes et prinsipp som vi prøver å følge, og det er: «Do no harm», som oversatt til norsk betyr: Gjør ingen skade. Hvis man ønsker å redusere norske utslipp, må vi iallfall ikke starte med å øke dem. Her har vi i dag sett to vesentlige forslag fra høyresiden om først å øke norske utslipp, for så å kutte dem etterpå. Det ene er forslaget om gasskraftverk som skal være uten rensing, og det andre er å redusere betydningen av kjøpesenterforskriften, og dermed få mer biltrafikk. Og la meg nevne det tredje som er aktuelt akkurat nå: Høyres landsmøte vedtok å stille krav til regjeringen om umiddelbart å sette i gang konsekvensutredning av oljeboring i Lofoten og Vesterålen, som vi skal ha høringskonferanse om i morgen. Høyre har historisk vært et parti som mente at Norge ikke skulle bli så avhengig av olje, men ved hver eneste korsvei hvor det er mulig å kreve at Norge skal bli mer avhengig av olje, gjør man det. Og det er klart at gjør man dette i tillegg til alt det andre som er foreslått, starter vi arbeidet med å redusere norske klimautslipp i virkelig oppoverbakke – først øker vi dem på en serie områder, for så Nå registrerer jeg i debatten at det er bred oppslutning om hva regjeringen gjør internasjonalt på klimaområdet. Det er jeg glad for å høre, fordi det å få ros fra opposisjonen er så sjeldent for den sittende regjering at når vi får det, må vi iallfall tro at det virkelig er genuint ment. Regjeringen gjør mye på klimaområdet. Vi får masse ros internasjonalt på klimaområdet, f.eks. fra høyresidens konservative partifeller i Storbritannia, som kom hit for en uke siden, og var fulle av ros for hva Norge gjør internasjonalt på klimaområdet. Man snakket om Norges sterkt ledende rolle på dette området, og hvordan de kunne bli inspirert og lære av oss, men også selvsagt ha dialog om gode ting som de gjør. Så er det spørsmål om hva vi kan gjøre mer i Norge i tillegg til Klimakur. Klimakur blir altså lagt fram neste år og vil tegne det brede bildet. Det er altså ikke slik som det skapes inntrykk av her, at det ikke gjøres Veldig mye gjøres. Vi har gjennomført klimaforliket i all hovedsak. Det kan krangles om detaljer i det, men i all hovedsak er klimaforliket gjennomført punkt for punkt. Kvotesystemet, som er grunnmuren i ethvert klimaregime, er på plass. Det satses betydelig på forskning på klimaområdet. klimaområdet. Beløpene til Enova er tredoblet. Jeg sliter hele tiden med å gjenta dette i forhold til hvordan det var under Bondevik-regjeringen, men det er altså en dramatisk økning på det området. Også når det kommer til de tingene som det spesifikt etterspørres her, nemlig de raske, kostnadseffektive tiltakene, gjøres det mye, men det kan gjøres mer. Snorre Serigstad Valen var inne på forbrenningsavgiften. Det var altså en avgift som ble innført for å få til større materialgjenvinning i avfallspolitikken, men når det etter hvert ble klart at den hadde uheldige klimapolitiske og også konkurransemessige sider for norsk næringsvirksomhet, er den lempet på, og det kan forhåpentlig ha betydning for å få redusert noe transport på det området. Så krever opposisjonen miljøteknologi, og den krever det i dag. Ja, den krever det altså noen uker eller måneder etter at regjeringen har lagt dette fram og sagt at dette skal vi gjøre. Vi skal sette i gang et vesentlig program for miljøteknologi i forbindelse med statsbudsjettet. Det er helt all right å slå inn åpne dører – men det er altså noe som gjøres. Så kom vi med nye byggregler fra 1. juni – også det en av de lavthengende fruktene – hvor det ikke vil være anledning til å installere ny oljekjele. Vi vil også fortløpende komme med ulike slike tiltak på de mange områdene som her er foreslått. La meg til slutt si at ett av de problemene som vi sliter med når det gjelder de enkle og billige tiltakene, er at på en god del områder blir ikke tiltak som er direkte markedsøkonomiske, umiddelbart lønnsomt iverksatt av markedsaktørene. Man kan spørre om hvorfor det skjer. Jeg tror svaret ligger i at det også er andre hindringer enn de rent økonomiske. Det er folks kjennskap til mulighetene, det er så enkle ting som at jeg bor i mitt hus, og det er betydelig andre problemer knyttet til å innføre mer fornuftige energitiltak i hjemmet enn de rent kostnadsmessige. Det kan være forhold som er pekt på av flere her, nemlig forholdet mellom leier og eier av en bolig. Det er altså en serie av slike strukturelle ting i samfunnet som vi må angripe hvis vi skal få gjennomført selv de tiltakene som umiddelbart er rent markedsøkonomisk kostnadseffektive. Det blir replikkordskifte. I dag er

La meg etter den lange harangen av eksempler konsentrere meg om ett for å få satt dette litt tydelig på plass: Norge hjelper ingen land med å komme i gang med oljevirksomhet, men en rekke land ønsker, av samme grunn som oss, å utnytte de ressursene de har på havbunnen. Jeg går ut fra at verken Solvik-Olsen eller En rekke land ønsker det. Da kommer Norge inn og bidrar med hjelp, slik at dette kan bli på en mest mulig miljøforsvarlig måte, at disse pengene i så stor grad som det lar seg gjøre, kan komme befolkningen til gode, at man får et så korrupsjonssikkert system som mulig – altså bidra med de mange erfaringer vi har med å lage oljevirksomhet her, som er blant de mest miljøvennlige i verden. Men det er en virksomhet som vi likevel gradvis må la gå over i mer fornybare og varige Representanten Sande tok opp biodrivstoff. Vi vet jo at Klimakur anbefaler biodrivstoff som et av de aller viktigste tiltakene for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren. Regjeringen har ved flere anledninger varslet at den ønsker å innføre en avgift tilsvarende autodieselavgift også på andre former for biodrivstoff enn biodiesel. biodiesel. Da snakker vi om biogass, som er svært bærekraftig, basert på matavfall og kloakk. Det kan være bioetanol, fremstilt av restavfall fra trevirkeindustrien i Norge. Er regjeringen villig til å revurdere det standpunktet, i lys av den store klimautfordringen vi står overfor? Jeg etterlyser en mer edruelig og vettug debatt i Stortinget om fordeler og ulemper med biodrivstoff. For å illustrere poenget med det, siden Kristelig Folkepartis leder kom inn her – jeg tror ikke det er mer enn et år siden statsminister Stoltenberg fikk et brev fra Kristelig Folkepartis leder der han tok til orde for at vi ikke skulle drive med biodrivstoff overhodet i Norge, fordi det ville være å ta maten ut av munnen på sultne barn. Jeg kjøper ikke det argumentet, men det er også en av de mange problemstillingene i den nødvendige etiske vurderingen av biodrivstoff. Nå er vi i tett forhandling med EU for å bidra til at EUs regelverk på dette området kan klargjøre hva som er bærekraftig biodrivstoff, og hva som ikke er det. Jeg er en ihuga tilhenger av bærekraftig biodrivstoff, men jeg mener at vi skal være veldig forsiktig med å inkludere alle mulige former for biodrivstoff. Det er også biodrivstoff som kan ha rene negative effekter.

det kan gjøres mer, sa statsråden i sitt innlegg. Da er vi ved kjernen – Klimakur 2020, 160 tiltak. 30 av tiltakene har en prislapp som gjør at vi kan oppnå halvparten av den målsettingen som klimakameratene ble enige om i januar 2008. Ja, det kan gjøres mer. Vi har liten tid i forhold til FNs klimapanel. Hvorfor kan vi ikke sette i gang nå, eller iallfall i budsjettet? Fordi vi har satt i gang! Men det er ingenting som er meg mer fremmed enn å skulle si at vi gjør nok, at vi ikke kan gjøre mer. Jeg ønsker å vurdere hvert eneste av de konkrete forslagene for å se på hva vi kan få i gang nå, og hva som må vente og være en del av den bredere vurderingen som ligger i Klimakur. Enkle tiltak som ikke får store konsekvenser på andre områder, og som ikke skaper store vanskeligheter for bransjer, næringsliv eller hva det måtte være, bør vi selvsagt sette i gang så fort som overhodet mulig. Eksempel på det er forbud mot oljekjeler fra 1. juni og andre byggforskrifter, som vil bidra konstruktivt på det området. Jeg mener at mange av de tiltakene vi kan gjøre for trafikkreduksjoner på kommuneplan, støter mot Høyre og Fremskrittspartiet i nesten alle kommunene. Men også innføring av rushtidsavgift og mye annet som vil redusere biltrafikken lokalt, er noe som vi umiddelbart kan sette i gang med. Det er mye annet også. også. Jeg vil gjerne være med og vurdere hvert eneste ett. Så jeg er helt enig i utgangspunktet, nemlig at dette haster, og at vi ikke har kommet langt nok, vi heller. Representanten Line Henriette Hjemdal har tatt opp det forslaget hun refererte til. Som vi begge kjenner til, og som jeg var inne på i innlegget mitt, får man ikke brukt alle kvotepengene som er avsatt utenlands. Venstre har flere ganger foreslått at de kvotepengene man ikke får brukt ute, kan man bruke til større investeringer i Norge. Vi har f.eks. foreslått at man kan øke satsingen på jernbane. Hva synes statsråden om det forslaget fra Venstre? Jeg beklager å måtte meddele at jeg synes det er et veldig dårlig forslag,

Men dette er altså en av de virkelige mekanismene som er utbygd for overføring av midler fra den rike til den fattige del av verden. Hvis vi skulle ta penger derfra for å bruke hjemme, er det mulig at det ville score kortsiktige poenger i Norge, men det ville altså være et direkte tiltak for å redusere tilliten mellom den fattige og den rike del av verden. De fattige ønsker pengeoverføringer fra de rike mer enn noe annet i klimaforhandlingene.

Norge. Regjeringen skryter i sin retorikk av at de har en offensiv oljepolitikk. Til og med SV er med i merknader i komitéinnstillingen om at en skal opprettholde nivået i Norge. Men det jeg påpeker, er hykleriet – forskjellen mellom det regjeringen sier om andre partier, og det den faktisk gjør selv. Det siste er jo at Norge gjennom Verdensbanken er med på å finansiere et kullkraftverk i Sør-Afrika, samtidig som en opprettholder kullgruvedriften på Svalbard. Vil statsråden på noen måte bidra til at Norge kutter kulldriften hvis det går ut over klimaet, eller mener han at det er en fornuftig politikk å opprettholde kullgruvedrift så lenge det er de rød-grønne som administrerer den? Med all respekt: Fremskrittspartiet bør først definere sitt eget ståsted i klimapolitikken og så på basis av det bestemme hvordan de vil angripe andre. nå nærmest fått inntrykk av at Fremskrittspartiet, i hvert fall sånn omtrentlig, godtok klimaforlikets målsettinger. De ble ikke invitert inn, men i det store og hele er det skapt inntrykk av at det var noe de kunne stå for. Men så forsøker man å raljere med det faktum at vi forsøker å redusere klimagassutslippene i Norge. Det er to viktige grunner til å gjøre det: Det ene er at hvis vi ikke gjør det, har vi ingen tillit når vi skal diskutere Sør-Afrika eller Ghana eller noe annet land; hvis vi ikke gjør noe hjemme, er det ingen som har tiltro til hva vi vil gjøre ute. Det andre er at det er hos oss teknologiutviklingen kommer; det er de rike, avanserte industrilandene som utvikler den nye teknologien. Derfor må vi gjøre alle disse tiltakene hjemme, selv om det er riktig at man kunne få til mye større og mer kostnadseffektive reduksjoner ved å gjøre dette i utlandet

kloakk og norske husholdningers matavfall er nokså bærekraftig, også sett med statsrådens øyne. Det må være ganske klart at restavfall fra norsk trevirkeindustri i Østfold, som norske busser i Oslo går på, også er nokså bærekraftig. Og når da regjeringen har varslet at den ønsker å innføre autodieselavgift også på denne type jeg minner om det – er det på sin plass å spørre om det er forenlig med den vurderingen som kom frem i Klimakur. Det synes jeg statsråden skal kunne svare på. Det går an her å differensiere mellom nettopp bærekraftig og ikke-bærekraftig biodrivstoff. Så har jeg lyst til å utfordre statsråden på én ting: Statsministeren uttalte i denne sal til spørsmålet om hvorfor klimameldingen var utsatt,

så vil det bli ytterligere utsettelser i den norske klimameldingen, som jo handler om utslipp her hjemme. Så har det også blitt sagt at klimaforliket er oppfylt punkt for punkt. Da antar jeg at det bare er å lene seg tilbake, og at utslippene vil gå ned 15–17 mill. tonn innen 2020. Men min forståelse er at vi må gjøre langt mer enn det lille regjeringen til nå har gjort. gjort. Og i det arbeidet setter iallfall dette partiet pris på om vi også kan bli inkludert, og at man ikke venter helt til 2011 med det. Så til forbrenningsavgiften. Det ble nevnt av statsråden, og også av representanten Snorre Serigstad Valen, at regjeringen faktisk hadde gjort noe med den. Ja, det er riktig. Men vi foreslo å fjerne den allerede i statsbudsjettet for 2010. I mellomtiden har det gått betydelige kontrakter til Sverige av regjeringens sendrektighet. Det betyr at man i mange år fremover vil ha søppelkonvoier gående fra Vestlandet og ned til Skåne for å forbrenne søppelet der. Det mener jeg er svært uheldig for norsk klimapolitikk og kunne ha vært unngått hvis regjeringen hadde reagert

Tanken på at mine etterlatenskaper driver 37-bussen 50 meter, sånn omtrentlig, fra regjeringskvartalet og opp til Deichmanske bibliotek, er fascinerende. Legger man til kona og ungene, kommer man omtrent opp til den katolske kirken, og hvis Astrup og Solvik-Olsen også trår til, kommer 37-bussen helt opp til St. Hanshaugen! Det tror jeg er en måte folk kan skjønne betydningen av biogassanlegg på. Kan man i tillegg få inn matavfall i dette, er det et stort potensial for fornuftig klimapolitikk.

tiltak hvor man har omtrent de samme innfallsfaktorene; man bruker så mye kunstgjødsel, energi, vanningsanlegg osv. på å produsere biodrivstoffet at det nærmest er et nullsumspill, det biodrivstoffet som kommer inn. Det kan ingen være tjent med, og vi bør være årvåkne slik at vi får gode nok bærekraftregler. Vi kommer også helt sikkert til å få et problem som jeg ikke har svaret på i dag, men som må diskuteres i forbindelse med Klimakur, og det er det fenomenet at det største enkelttiltaket Klimakur foreslår for reduserte

Det er jo motstykket til ren energi, hvor vi altså teoretisk kunne fått utslippsreduksjoner ved å ta dem i andre land, men ikke får det i Norge fordi vi bruker vannkraft. Dette er den motsatte logikken, og vi må tenke gjennom hvordan vi håndterer det. Jeg nevnte klimaforliket og oppfyllelsen av det som et eksempel på at regjeringen gjør mye. Klimaforliket er i all hovedsak oppfylt, som jeg nevnte. Det kan krangles på enkelte detaljer, men i all hovedsak er det oppfylt, og vi bør stoppe diskusjonen om det. Men klimaforliket er ikke nok til å nå det målet som Stortinget har satt i klimaforliket; det er ikke nok virkemidler i klimaforliket til å nå Stortingets mål, som er 15–17 mill. tonn. Derfor kommer Klimakur, for å legge fram nye og sterkere virkemidler, men denne debatten får vi da neste år. La meg bare helt til slutt si at debatten i dag har vist at en serie viktige saker har Høyre dessverre nå skilt lag med regjeringspartiene og sentrumspartiene og alliert seg med Fremskrittspartiet. Det klargjør den politiske debatten, men jeg synes det er synd at i fem store, viktige miljøsaker ser vi nå en allianse mellom Høyre og Fremskrittspartiet, mot regjeringspartiene og sentrumspartiene. Flere har ikke bedt om ordet til sak

og var i full gang med å bore en oljebrønn på 1 544 meters dyp på Macondo-feltet i Mexicogolfen. Eksplosjonen på riggen krevde elleve menneskeliv og ble starten på en oljekatastrofe verden ikke har sett maken til – og heller ennå ikke har sett utfallet av. Den første tiden etter at ulykken inntraff, opplyste BP at brønnen lekket ca. 5 000 fat olje per dag. Anslagene viste seg å være altfor lave, og BP ble tidlig beskyldt for å prøve å dysse ned omfanget av katastrofen. De siste oppdaterte opplysningene tyder på at lekkasjen er tre–fire ganger større. Daglig lekker det 15 000–20 000 fat olje rett ut i sjøen, eller nærmere 3 mill. liter. Det vi har vært vitne til siden, er en tragisk demonstrasjon av nærmest total maktesløshet fra aktørenes side. Jeg har reist denne interpellasjonen fordi også vi må trekke lærdommer av det som skjer i BP har så langt gjort flere forsøk på å stanse oljelekkasjen. Selskapet har forsøkt å stenge sikkerhetsventilen, senke en såkalt «top hat» over utslippsstedet for å fange opp oljen, drepe brønnen med oljeslam og til sist å kutte stigerøret og koble seg på rørstussen. I går kveld kom de første meldingene om at man kan ha lyktes med å stanse en del av utslippet. De viktigste tiltakene som for øvrig er satt i gang, er boring av to avlastningsbrønner som vil trykkavlaste brønnen og få den under kontroll. Boringene ble startet 2. og 16. mai, men operasjonen tar fra tre til seks måneder. Dersom man ikke lykkes med det man er i gang med nå – eller andre tiltak – kan utslippene fortsette fram til august–september. BP har i ettertid erkjent at selskapet ikke hadde beredskap mot oljelekkasjer på dypt vann. BP-sjef Tony Hayward uttalte nylig følgende til avisen Financial Times: Det er ingen tvil om at vi ikke hadde de verktøyene man trenger til en sånn aksjon. Ingen er i dag i stand til å forutsi de langsiktige konsekvensene utslippene fra ulykken har forårsaket. Oppryddingen av oljesølet pågår for fullt langs strendene og våtmarksområdene i de rammede delstatene. Et forskningssenter offentliggjorde torsdag i forrige uke datasimuleringer som viser at oljen kan runde sørspissen av Florida og ramme strendene langs vestkysten av delstaten. Deretter kan oljen spre seg til hele østkysten av USA og Atlanterhavet innen få måneder. Et tynt oljelag og baller med olje vasket på fredag opp på de hvite strendene i Pensacola, lengst vest i Florida. Minst 200 km av Louisianas sårbare kystlinje er allerede kraftig rammet, og stadig flere fugler og dyr blir funnet i hjelpeløs tilstand i sjøen eller i sumpene. Ikke minst rammes fiskeriene i golfen, som står for 15 pst. av USAs sjømatproduksjon. Oljekatastrofen i Mexicogolfen blir nå kalt Obamas «Katrina». Det politiske spillet, og ikke minst de ansvarlige selskapenes ansvarsfraskrivelse og forsøk på å skylde på hverandre, har vært et sørgelig skue. Under en høring i den amerikanske kongressen 11. mai la sjefene for BP, Transocean og Halliburton skylden for ulykken på hverandre. Amerikanske myndigheter har plassert ansvaret hos operatøren BP og har sendt en regning på 69 mill. dollar til BP for å dekke utgiftene som myndighetene hittil har hatt. BP har fått en frist til 1. juli med å betale. President Obama har høstet kritikk for å komme for sent på banen, spesielt i forhold til oljevern og opprydding. Mot slutten av mai kom presidenten med flengende kritikk av byråkratene i Minerals Management Service, som har ansvaret for tildeling av lisenser og kontroll av oljeselskapene. Presidenten varslet en storstilt opprydding i administrasjonen. Han har også nedlagt et midlertidig forbud mot leteboring på dypt vann fram til 2011. Moratoriet får bl.a. konsekvenser for Statoil, som har 448 lisenser i Mexicogolfen. De fleste av disse lisensene ligger på dypt vann. Statoil er allerede i gang med en boring på 2 000 meters dyp. Oljekatastrofen i Mexicogolfen er et kraftig varsko om hvilken risiko som knytter seg til å drive oljeutvinning under havbunnen. 70 pst. av jordens overflate er dekket av hav og sjø, og utslipp sprer seg raskt med havstrømmene over store områder. Selv de største teknologioptimistene har fått noe å tenke på etter ulykken i Mexicogolfen. De som kjemper for en rask åpning for oljeleting i våre mest sårbare kystnære gyteområder for fisk, har en tøff jobb foran seg etter det som har skjedd i Mexicogolfen de siste seks ukene. Katastrofen er også en kraftig vekker for oljenasjonen Norge, som har drevet oljeutvinning på kontinentalsokkelen i over 30 år. Mye tyder på at Norge er kommet lengre enn USA når det gjelder styring og kontroll over oljeaktiviteten og krav til sikkerhet. Når USA nå splitter opp Minerals Management Service og strammer grepet om oljeindustrien, ser de bl.a. til Norge og ønsker å lære av hvordan vi har valgt å organisere virksomheten. Det er grunn til å være stolt over det. Norsk oljehistorie er en ganske enestående suksesshistorie. Men den maktesløshet vi har sett de siste ukene, forteller oss med all mulig tydelighet at vi er ikke usårbare. Det trengs bare en stor oljekatastrofe for å endre på dette bildet. De fleste av oss husker Bravo-utblåsningen og «Alexander Kielland»-ulykken i den tidlige fasen av norsk oljehistorie. Også senere har det vært nære på ved flere anledninger. Parallelt med ulykken i Mexicogolfen, og i skyggen av oppmerksomheten, ble Gullfaks C-plattformen evakuert 19. mai etter fare for gassutblåsning som følge av trykkforandring i en brønn. Det tok Statoil en uke å få kontroll over trykksituasjonen i brønnen. Dette er det tredje tilfellet av alvorlige hendelser på under et halvt år ved Gullfaks C-plattformen. Alle episodene har skjedd i den samme brønnen. Siste tilfellet var lille julaften. Den episoden ble karakterisert av Petroleumstilsynet som den mest alvorlige hendelsen på norsk sokkel i 2009. Den siste episoden blir betegnet som mer alvorlig. Petroleumsaktiviteten på norsk sokkel er i endring. De enkle brønnene er allerede blitt boret. Det som gjenstår, er vanskeligere brønner, mange av dem på dypt vann. Ønske om økt utvinningsgrad utfordrer også sikkerhetsmessig. Med unntak av Ormen Lange er de dypeste feltene på norsk sokkel på under 400 meters dyp. I årene framover går oljeselskapene mye dypere i norske farvann. Shell borer for øyeblikket på 1 300 meters dyp på Gro-feltet utenfor Helgelandskysten. Statoil har gjort funn på Luva-feltet vest for Sandnessjøen som ligger om lag like dypt. Boring på dypt vann stiller større krav både til boreteknologi og til beredskap i tilfelle noe skulle gå galt. Utvikling av ny teknologi er viktigere enn noen gang, men dessverre ser det ut til at teknologiutviklingen ikke har det samme trykket som før. Ifølge Teknisk Ukeblad nr. 20 for i år er det flere år siden det ble satt i gang en pilot på norsk sokkel. Dette bekymrer både Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet. Bjørn Rasen i direktoratet uttaler følgende til bladet: «Vi er bekymret for at det er lenge siden sist det ble gjennomført pilotprosjekter. OD mener bransjen må satse mer på nye teknologier som kan øke utvinningen og bedre sikkerheten.» En form for boreteknologi som det forskes mye på, og som øker sikkerheten, er såkalt trykkbalansert boring. Foreløpig har den i liten grad blitt tatt i bruk på norsk sokkel. Miljøbevegelsen har på sin side krevd borestans på dypt vann også i Norge inntil årsakene bak katastrofen i Mexicogolfen er ferdig gransket. Oljeprofessor Øystein Noreng ved Handelshøyskolen BI støtter ifølge Dagens Næringsliv også et slikt krav. Jeg ønsker ikke for min del å konkludere på et slikt spørsmål. Jeg forventer imidlertid at fagmyndighetene vurderer dette nøye. I Aftenposten 3. juni avviste arbeidsministeren spørsmålet om borestans og viste til at Petroleumstilsynet har foretatt en konkret vurdering av Gro-boringen, og funnet at det ikke er grunnlag for å trekke tilsvarende konklusjon i Norge som i USA. Samme dag som ministeren var ute med dette budskapet i Aftenposten, arrangerte Petroleumstilsynet sin sikkerhetskonferanse «Alltid beredt?» om hvordan en skal trekke lærdom av store ulykker. Konferansen skulle opprinnelig markere at det er 30 år siden «Alexander Kielland»-ulykken, men fikk i siste liten en mer oppdatert profil. Stavanger Aftenblad dekket konferansen og trakk ut følgende sitat fra foredraget til tilsynsdirektør Magne Ognedal: «Kunne Deepwater Horizon skjedd i Norge og kunne Kielland skjedd igjen? Svaret på det er ja. Vi må ta innover oss at det er risiko knyttet til petroleumsvirksomhet. Risikobildet forsøker en å tegne i forvaltningsplanene. Det blir en politisk sak om det risikobildet er akseptabelt eller ei». Dette er jeg enig i. Fagmyndighetenes oppgave er å føre kontroll med virksomheten og klargjøre graden av risiko. Det er vår jobb som politikere å ta de endelige avgjørelsene. Katastrofen i Mexicogolfen har vist at oljevernberedskap til havs aldri kan bli noe annet enn et verktøy for skadereduksjon. Det finnes i dag ikke noe oljevernutstyr som gir sikkerhet for vern av sårbare naturområder i havet eller langs kysten. Det finnes heller ikke noe utstyr som er dimensjonert for å ta unna slike mengder olje som en virkelig oljekatastrofe innebærer. «Full City»-forliset utenfor Langesund i fjor sommer var en skikkelig demonstrasjon i så måte. Slik sett vil oljevernberedskapen aldri kunne bli god nok til å veie opp for den risikoen oljevirksomhet til havs under harde værforhold kan medføre. Det må vi politikere være oss bevisst også når vi skal ta stilling til eventuell åpning av nye områder for oljevirksomhet i sårbare havområder i nord. Jeg har derfor ønsket å rette fokus mot dette spørsmålet med en debatt i Stortinget. Jeg ønsker å vite hvordan Norge er rustet til å håndtere en oljekatastrofe, hva vi kan lære av situasjonen i Mexicogolfen, og vi kan lære av situasjonen i Mexicogolfen, og hvordan regjeringen vil arbeide med en systematisk gjennomgang av erfaringene fra denne forferdelige katastrofen, slik at vi på best mulig måte kan stå rustet til å takle våre egne

Vi vet ennå ikke det totale omfanget av katastrofen, men vi vet at konsekvensene allerede er svært omfattende, både menneskelig, miljømessig og økonomisk. Den fatale hendelsen er en viktig påminnelse om viktigheten av et høyt HMS-nivå i petroleumsvirksomheten, og jeg har forsikret meg om at alle aktører i norsk petroleumsvirksomhet følger granskningen tett med tanke på at all Årsakene til storulykken i Mexicogolfen er ikke klarlagt, men for at vi her i Norge skal kunne følge utviklingen, har Petroleumstilsynet etablert en intern prosjektgruppe som følger opp og vurderer tiltakene som er iverksatt med tanke på om de er relevante for virksomheten på norsk sokkel. Tilsvarende aktiviteter gjøres av andre berørte myndigheter. Oljeindustriens Landsforening har opplyst at de er i gang med et lignende arbeid. Målet er Målet er og må være å hindre at noe slikt kan skje i Norge. Representanten nevner Gullfaks C-hendelsen som nå pågår i Nordsjøen. Dette er en alvorlig hendelse der en av de to barrierer som sikrer kontroll over brønnen, er svekket. Jeg vil imidlertid understreke at det ikke på noen måte er grunn til å sidestille denne storulykken med den i Mexicogolfen. Utblåsningsventilen er intakt, og det pågår et intenst arbeid for å opprette barriere nr. 2 og sikre brønnen. Petroleumstilsynet følger nøye opp Statoil, og Petroleumstilsynet vurderer det slik at Statoil har kontroll over situasjonen. Etter «Alexander Kielland»-ulykken i 1980 har det vært et folkekrav at virksomheten skal drives med lavest mulig risiko for skader og ulykker. Regelverks- og tilsynsansvaret for virksomheten er fordelt på flere departementer og underliggende etater. Arbeidsdepartementet, ved Petroleumstilsynet, er ansvarlig for regelverket som skal forhindre slike hendelser, for kartlegging av årsaksforhold. Fiskeri- og kystdepartementet, ved Kystverket, er ansvarlig for den statlige beredskapen mot akutt forurensning, herunder oppsamling av oljesøl under statlige aksjoner. Miljøverndepartementet, ved Klima- og forurensningsdirektoratet, stiller krav til beredskap til å håndtere akutt forurensning i petroleumsvirksomheten. Olje- og energidepartementet, ved Oljedirektoratet, har ansvaret for ressursforvaltningen. Oljenæringen opererer innenfor naturgitte og teknologiske betingelser som innebærer at feil og uhell har potensial for alvorlige skader på mennesker, miljø og materielle verdier. For å møte denne situasjonen er det utviklet et omfattende HMS-regelverk som stiller strenge krav til sikkerhet og styring. Regelverket støttes av industristandarder. Standardene er utviklet etter grundige prosesser for kvalifisering av ny Petroleumstilsynet sikrer en tett myndighetsoppfølging av næringen. Regjeringens uttalte forventning til petroleumsindustriene er at den skal være verdensledende på HMS. HMS-regelverket baserer seg på en systematisk ansvarliggjøring av alle aktører i næringen. Operatøren er direkte ansvarlig for at underentreprenørene følger regelverket. Gjennom risikoanalyser og konsekvensutredninger skal aktørene tilegne seg best mulig kunnskap om virksomhetens risiko. Foregår aktiviteten i et miljøsårbart område, må valg av teknologi, organisasjon og beredskap tilpasses slik at det kompenserer for økt miljørisiko. Det skal alltid benyttes barrierer som er uavhengige, slik at en enkelt feil ikke skal kunne lede til en ulykke. Det er en grunnleggende forutsetning at aktørene skal arbeide for en stadig forbedring av det totale sikkerhetsnivået, og læring av egne erfaringer er her et viktig virkemiddel. Myndighetenes tilsyn kommer i tillegg til aktørenes egenkontroll og har som formål å se til at de ansvarlige selskapene iverksetter forebyggende aktiviteter som står i forhold til de potensielle konsekvenser for miljøet. Til spørsmålet om hvorvidt Norge er rustet til å håndtere en oljekatastrofe, er det viktig å understreke at hovedfokus er på å forebygge at en slik katastrofe skal kunne oppstå. Likevel er det viktig å erkjenne at man aldri kan garantere at en storulykke ikke kan oppstå. Derfor er det i tillegg til de strenge kravene til planlegging og drift av virksomheten også satt en rekke krav til etablering og øving av beredskap i regelverket. Hovedformålet med regelverket er at det må etableres tiltak som forhindrer eller begrenser konsekvenser av ulykker eller tilløp til ulykker. Selve oljevernberedskapen på innretningene er operatørenes ansvar og skal i henhold til petroleumsloven være samordnet, også med offentlige beredskapsressurser. Kystverket, som er ansvarlig for den statlige beredskapen mot akutte olje- eller kjemikalieutslipp, kan overta ledelsen av en oljevernaksjon knyttet til en konkret hendelse dersom det anses nødvendig. Dersom det skulle skje en større hendelse, vil hensynet til liv og helse selvfølgelig komme først, men arbeidet med oppsamling av olje og bekjempelse av oljeforurensningen vil starte så tidlig som mulig. I oljevernaksjonen vil privat, altså oljeselskapene, statlig og kommunal og interkommunal beredskap bli koblet inn. Staten har i henhold til lovverket myndighet til å innkalle kommunale beredskapsressurser og ressurser fra private aktører med beredskapsplikt. Hvis det er fare for meget betydelig forurensningsskade, kan enhver gis pålegg om å stille til rådighet materiell eller personell for å bekjempe ulykken. Prognoser for oljedrift vil bli utarbeidet av Meteorologisk institutt med hjelp fra Havforskningsinstituttet, som sammen med Fiskeridirektoratet også vil bidra med råd knyttet til fordeling og forekomst av sårbare marine levende ressurser. En slik situasjon vil med andre ord kreve en samordning av alle offentlige og private ressurser og vil forutsette ledelse av regjeringens kriseutvalg. Mekanisk oppsamling er det prioriterte tiltaket, men slik oppsamling er avhengig av værforholdene og er ikke effektiv ved for høye bølger. Kjemikalier for å fremskynde den naturlige nedbrytningen av olje på sjøen vil kunne brukes, med det er avhengig av oljetype, tid på året for hendelsen, og hvor en hendelse eventuelt skjer. På norsk sokkel vil både tid og sted for hendelsen være av betydning for hvordan oljevernaksjonen skal håndteres. Avslutningsvis vil jeg understreke at vi fra myndighetenes side følger utviklingen i Mexicogolfen meget nøye med sikte på å lære mest mulig. Det vil bli igangsatt et eget samordnet myndighetsarbeid for oppfølging av ulykken i Mexicogolfen i forbindelse med oppdatering av forvaltningsplanen for Barentshavet og havområdene utenfor Lofoten. Jeg vil også i den kommende stortingsmeldingen om arbeidsforhold, arbeidsmiljø og sikkerhet redegjøre for ny kunnskap og eventuell implementering av endringer som følge av ulykken Fredag vil olje- og energiministeren og jeg avholde et møte med de største oljeselskapene for å høre deres vurderinger av den aktuelle situasjonen og hva de iverksetter av tiltak. Jeg vurderer fortløpende behovet for å iverksette ytterligere tiltak for å sikre læring fra denne hendelsen.

Det er også en selvfølge at alle aktører følger det som nå skjer, tett. Jeg minner om at i kjølvannet av «Alexander Kielland»-ulykken, som var en kraftig vekker for den nyfødte og sterkt utviklingsoptimistiske norske oljestaten,

skjerpet regelverk. Når det gjelder aktørene, må jeg si at jeg kvakk skikkelig da jeg leste Dagens Næringsliv på lørdag, for de har fått tak i Statoils søknader om leteboring på 2 000 meters dyp i Mexicogolfen fra de fagmyndighetene. I disse søknadene, som er datert 9. september og 22. oktober 2009, skriver Statoil om risikoen ved å bore dypere enn stedet hvor «Deepwater Horizon» havarerte: «Det er lite trolig at et oljesøl vil skje på grunn av noen av de foreslåtte aktivitetene. Skulle det mot formodning skje er det lite trolig at det Dette skriver den dominerende aktøren på norsk sokkel til amerikanske myndigheter få måneder før denne ulykken inntreffer. Mitt spørsmål til statsråden er om hun er trygg på at den største aktøren på norsk sokkel tar risikovurderinger og sikkerhetsutfordringer på tilstrekkelig alvor når de kan skrive noe slikt som dette, dette, og faktisk legge det til grunn for en søknad om en aktivitet som til forveksling ligner den aktiviteten som har havarert i Til representantens siste spørsmål legger jeg til grunn – som jeg har gått igjennom – at vi har et veldig utstrakt sikkerhetssystem i Norge. Det gjelder også for Statoil. Vi har tett oppfølging av alle selskapene. Jeg skal, som jeg sa, også ha et møte med de sentrale oljeselskapene på fredag, deriblant Statoil, hvor et av temaene nettopp vil bli hvordan oljeselskapene følger opp ulykken i Mexicogolfen, og hva vi kan lære av den. Så har jeg også lyst til å si at Petroleumstilsynet har hatt ulike gjennomganger av denne ulykken for å se hvilke implikasjoner den har for norsk sokkel. Blant annet fikk president Obama en rapport, den såkalte Salazar-rapporten, som er en gjennomgang av Mexicogolfen, hvor man retter søkelyset på 21 punkter som man ønsker en forbedring av. Jeg har hatt en gjennomgang med Petroleumstilsynet basert på de punktene, og de har gått gjennom dem. I det store og hele mener tilsynet at det ikke er behov for å gjøre tilsvarende ting fra norsk side, med unntak av fire punkter som de kommer til å gå videre med. De fire punktene kommer jeg også til å ha særlig fokus på når jeg skal møte oljeselskapene på fredag. Som representanten selv nevnte, nevnte, er det i dag Gro-feltet som er et dypvannsfelt, på 1 350 meter, men det er også andre felt som etter hvert kommer opp som søknad. Det er helt riktig: Det er dypvann som er det farligste, fordi det er det vanskeligste rent teknologisk, så det er viktig at vi særlig ser på dette. Det er derfor også Petroleumstilsynet har gått inn og sett på hvorvidt det vil være behov for å gjøre noe på Gro-feltet. De har vurderte dette nøye og mener at det er ikke grunnlag, på bakgrunn av det vi vet fra Mexicogolfen nå, å gjøre noe direkte på Gro-feltet, utover å følge ulykken i Mexicogolfen veldig nøye for å se om det kommer nye forklaringer på hva som har skjedd. Vi vet jo ennå ikke hva som har skjedd. skjedd. Når man vet hva som har skjedd, kan det selvfølgelig ha betydning for hva vi må gjøre i Norge. Jeg sier ikke at vi har vurdert dette en gang for alle. Vi må hele tiden følge med på hva man finner ut av årsakssammenhengen i Mexicogolfen. Er det noe der som tilsier at vi må gjøre noe tilsvarende i Norge, altså gå inn og se på nye krav osv. til dypvannsboring, vil vi selvfølgelig gjøre det. Men dette må følges hele tiden, og det viktigste blir egentlig å se på hva man finner ut

Oljekatastrofen i Mexicogolfen har gjort et veldig sterkt inntrykk på de aller fleste av oss. Hendelsen minner oss alle om at ulykker og uforutsette hendelser kan inntreffe, og at det derfor er viktig å ha en sterk innsats på å forebygge at uhell skal inntreffe, men også å være forberedt på det verste for derigjennom å kunne håndtere eventuelle slike hendelser. Interpellanten reiser av den grunn et veldig viktig tema i sin interpellasjon som vi behandler her i dag. Vi har heldigvis vært forskånet for mange alvorlige ulykker og hendelser på norsk sokkel, men mange av oss husker selvsagt den dramatiske og katastrofale «Alexander Kielland»-ulykken i 1980, som representanten Høybråten også minner oss om i dag. den hendelsen samt øyenvitneskildringene fra de overlevende involverte i ettertid har gjort et enormt inntrykk på oss alle. Ulykken for 30 år siden minner oss alle om hvor fundamentalt viktig det er å stille knallharde krav til helse, miljø og sikkerhet overfor dem som opererer på norsk sokkel, og det mener jeg vi som beslutningstakere – både før og nå – har gjort. Hver gang vi behandler konkrete utbyggingssaker på norsk sokkel her i Stortinget, er hensynet til helse, miljø og sikkerhet det vi først og fremst er opptatt av. Dessverre er det sånn at uønskede hendelser forekommer. Selv om vi heldigvis har vært forskånet for flere hendelser som «Alexander Kielland»-ulykken, kan vi aldri gardere oss hundre prosent mot uønskede hendelser – dette til tross for at vi i Norge ligger i fremste rekke når det gjelder å stille knallharde krav til helse, miljø og sikkerhet overfor virksomhet på vår sokkel, nettopp for å forebygge uønskede hendelser. Av den grunn at vi aldri kan gardere oss hundre prosent, må vi i tillegg stille krav til en oljevernberedskap som er så god som mulig. Dersom det verste skulle hende, må vi forberede oss selv på å kunne håndtere det på en slik måte at skadevirkningene blir minst mulig med hensyn til miljøkonsekvensene. Mange tusen mennesker lever store deler av sitt liv i eller i nær tilknytning til norsk sokkel. Disse menneskene har krav på noe så fundamentalt som en trygg og sikker arbeidsplass. Dette ansvaret ligger på arbeidsgiver, men det er også vår oppgave som politikere å sørge for at vi til enhver tid stiller og utformer krav, slik at dette grunnleggende behovet blir tilfredsstilt. Dette ansvaret mener jeg at vi som politikere tar. Men like viktig er det at alle de som bor langs kysten og har arbeidsplassene sine der, både innen fiskeri, turisme og andre næringer, også skal ha grunnleggende trygghet for at vi stiller de strengeste krav som det går an å stille, og har den beste sikkerheten og beredskapen på plass, slik at man kan leve og virke langs kysten. Når det gjelder å etterse at våre krav til standarder innenfor HMS-området blir etterlevd, påhviler det Petroleumstilsynet å ha det daglige ansvaret for dette. Petroleumstilsynet

Når det gjelder hva vi kan lære av hendelsen i Mexicogolfen, er det nok i tidligste laget å svare på det spørsmålet nå, med unntak av den påminnelsen at det uforutsette faktisk kan inntreffe. Amerikanerne har fram til nå hatt sitt fokus på å stanse eller å håndtere utslippene, noe jeg tror vi alle skal være glade for. Så får vi håpe at de lykkes med dette snart. For de lykkes med dette snart. For de rød-grønne og for regjeringen er prioriteringen av helse, miljø og sikkerhet på norsk sokkel førsteprioritet. Av den grunn er våre ambisjoner å stille verdens strengeste krav på disse områdene, og til enhver tid nyttegjøre oss den fremste teknologien innenfor dette området. Men jeg må si at Mexicogolfen også viser viktigheten av å innhente kunnskap både om ressursgrunnlaget ute til havs og om naturverdiene før en igangsetter virksomhet på norsk sokkel. En bredest mulig informasjon og kunnskap skal være beslutningsgrunnlaget før vi tar våre valg her til lands. Erfaringene fra og årsaken til situasjonen i Mexicogolfen vil være viktig kunnskap for oss, og det kan også danne grunnlaget for skjerpede krav her til lands. Jeg må si at jeg deler interpellanten Høybråtens syn, og også president Obamas syn, som ikke bare er bekymret, men har veldig klar tale mot selskapet som opererer i

Eg som kjem frå ein kystkommune, og som sjølv har opplevd oljeforureining på nært hald, meiner at det gjer ekstra inntrykk når oljeforureining skjer i slike dimensjonar som det som har skjedd og framleis skjer i Mexicogolfen. «Server»-ulukka i 2007 og «Rocknes» i 2002 er smådrypp å rekna i dette høvet. Men likevel – det å vera nær og ikkje minst sjå skadar som oljeforureinga kan gje i ein slik målestokk som det ein har hatt i Noreg,

Vi må vera like dyktige òg her, vi må gjera alt vi kan for å unngå dette. All beredskapsteknologi som blir utvikla, og som bør utviklast, får ein overlata til ekspertane, men kostnadene må òg vi som land ta ein del av. Opplæring og utdanning på beredskapssida vil vera meir og meir viktig. Her må ein leggja forholda godt til rette, både utøvarane av oljeutvinning og opplæringsinstansane innan dette området. Noreg skal og må bli best i klassen òg på dette viktige området. Først: Takk til interpellanten Høybråten fordi han reiser en viktig debatt i dag. Hendelsen i Mexicogolfen er

og det forventes store skader på den amerikanske golfkysten i kjølvannet av disse utslippene. Og som flere har sagt tidligere i debatten, kjenner vi ikke omfanget av disse utslippene ennå. Dette er en alvorlig situasjon, og fra vårt ståsted er det viktig at vi nå får fulgt med på etterforskningen, slik at vi kan lære av det som har skjedd. Det er derfor positivt at Petroleumstilsynet har tatt initiativ til et arbeid som nettopp går ut på å få kunnskap om hva som har skjedd, og sammenligne dette med norske forhold for å studere relevansen i forhold til vår egen sokkel. I tillegg har OLF, Oljeindustriens Landsforening, engasjert Det Norske Veritas til en tilsvarende studie, nettopp for å se om det kan være paralleller til norsk sokkel og det viktige arbeidet selskapene selv gjør for å forbedre sikkerheten og hensynet til Det er ikke så lenge siden Petroleumstilsynet friga en rapport som viser at det er en del sikkerhetsrutiner på norsk sokkel som ikke har vært fulgt. Det synliggjør at vi uavhengig av uhellet i Mexicogolfen også har en jobb å gjøre på hjemmebane i disse spørsmålene. Og vi har et ansvar for alle de menneskene som har sitt arbeid offshore og den sårbarheten de har i forhold Men ulykken i Mexicogolfen er en kraftig påminnelse til oss alle om betydningen av gode sikkerhetsrutiner, strenge krav med flere barrierer og selvfølgelig også en høy oljevernberedskap dersom uhellet først skulle være ute. Forholdene i Norge er noe annerledes enn i Mexicogolfen. Det har vært ukontrollerte utblåsninger på norsk sokkel også, nemlig men det har aldri vært utblåsninger under leteboring. I Norge har vi noen andre krav. Blant annet har det siden 1993 vært påbud om såkalte akustiske brytere, som er en ventil på havbunnen som kan fjernstyres. I tillegg er det f.eks. i områdene utenfor Lofoten og Vesterålen ikke så store vanndyp og så høye trykk som i Mexicogolfen. Det Norske Veritas har hatt en gjennomgang av 23 registrerte hendelser i de siste 20 årene, fra 1987 til 2007, og konkluderte med at de fleste av disse ikke ville kunne skje på norsk sokkel på grunn av våre krav til boreoperasjoner. Det er verdt å merke seg at 96 pst. av disse hendelsene skjedde nettopp i den amerikanske delen av Mexicogolfen. Jeg registrerer at statsråden sier at amerikanske myndigheter ønsker å lære av hvordan vi tilrettelegger vår forvaltning og vår regulering av oljevirksomheten, og jeg vil håpe og tro at vi kan tilføre amerikanske myndigheter noe her. Det er som sagt viktig å lære. Hendelsen er en kraftig påminnelse om at all For den norske kystlinjen er imidlertid skipstrafikken definert som den største miljørisikoen i forhold til utslipp som når land. Vi husker alle den siste hendelsen utenfor Langesund og havariet til «Full City». Det viser hvor viktig beredskapselementet er, og det er ingen tvil om at beredskapen er høyere i områder med olje- og gassvirksomhet, noe som også er positivt dersom vi skulle Vår oppgave som politikere er å ha en helhetlig tilnærming til de ulike spørsmålene. I spørsmålet om olje- og gassutvinning i områder som defineres som sårbare, er det derfor viktig å sørge for at risikoen for uønskede hendelser kommer så nær null som mulig gjennom strenge reguleringer. Videre er det viktig med gode kontrollrutiner og sanksjoner dersom reguleringene ikke følges opp av de ulike aktørene, for å redusere risikoen for utslipp. Høyre mener at vi kan balansere en bærekraftig olje- og gassvirksomhet mot miljøhensyn, fiskeriinteresser, reiseliv og andre interesser. I tillegg er det viktig med en helhetlig tilnærming for også å kunne se fordelene for samfunnet med økt aktivitet – for videreutvikling av kompetanse, industri, bosetting i bl.a. vår nordlige landsdel, inntekter til kommunene i nord, og derigjennom videreutvikling av velferdstilbudene til innbyggerne. Men det som er den viktige utfordringen nå, er å lære

Men vi kan aldri bli gode nok, vi kan aldri være helt sikre. Vi vil alltid være sårbare. Den eneste absolutte sikkerheten mot uønskede konsekvenser av en aktivitet er å slutte helt med aktiviteten. Det diskuterer vi ikke i dag. Egentlig hadde jeg tenkt å ta en tur til NorLense i dag, i Lofoten, men vi er jo her i kveld og debatterer, så det ble ikke noen tur nordover. Debatten ble berammet til i dag. En god oljevernberedskap er helt avgjørende for et land med en så sterk offshorevirksomhet som Norge. Men vi kan aldri lene oss tilbake og være fornøyd, og vi må aldri bli så fornøyde med egen beredskap, egen teknologi, egen fortreffelighet at vi tar lett på risikoen for store oljekatastrofer. Det er det som er i ferd med å skje hos enkelte nå. Høyre var raske med å vedta oljeuttalelser på sitt landsmøte i år, midt under den katastrofale oljeulykken i USA, som nå er inne i sitt 49. døgn. Oljeindustriens Landsforening turer fram med samme retorikk som før. LoVe Petro kjøper til og med dyre vedlegg i Aftenposten, der en klarer å gjøre katastrofen i Mexicogolfen til et argument for å starte en åpningsprosess i Lofoten og Vesterålen, og på Senja. Sist ute er direktøren i Statoil Norge, som mener debatten om oljeulykken har vært for følelsesladd. Når dette skjer, bør alarmen gå. Hovmod står for fall. Å uttrykke bekymring for vår egen kyst, vårt eget dyreliv, vår egen fisk, som følge av oljekatastrofen i Mexicogolfen, er ikke å være følelsesladd. Det er en helt riktig og helt rasjonell handling, med tanke på den siste tids hendelser. Derfor er det en god interpellasjon representanten Høybråten her fremmer, spesielt i en tid der debatten går høyt om vår egen oljevirksomhet, der grensedragninger for oljevirksomheten diskuteres, og hvor trygg slik virksomhet vil være i nye områder, stadig lenger nord.

om en akustisk blow-out-forhindrer – som representanten Meling siktet til – ville kunne gjort noen forskjell i Mexicogolfen i det hele tatt. Når ekspertene er så usikre, når vi ennå ikke vet, så undres jeg stadig over hvor sikre enkelte Høyre-politikere kan være. Jeg håper derfor de mest offensive tilhengerne av å åpne nye, sårbare og kystnære områder tar de siste ukenes hendelser Høyre og Fremskrittspartiet er ikke like tøffe i språket nå som før ulykken. Men representanten Melings forsøk på å framstille Norge som et mye, mye sikrere land enn USA, bekymrer meg litt – ikke fordi det er veldig sannsynlig med en oljekatastrofe i Norge, for det er det så klart ikke, men fordi risikoen er der. Det er helt riktig at Norge og USA er to ulike land. Det har representanten Meling helt rett i. Det er værharde forhold i Norge, vi borer svært langt nord i Norge, det er kaldt i Norge og vanskeligere å opprettholde en god oljevernberedskap jo lenger nord vi opererer. I tillegg var det en såkalt sviktsikker mekanisme som sviktet i Mexicogolfen. Like lite sviktsikker som BPs sviktsikre mekanismer kan være, kan vi stole på at høyrepartiene er i sin iver etter å åpne nye områder. Jeg håper derfor at denne debatten gjør litt mer inntrykk på Høyre spesielt, som jeg oppfattet var den mest offensive nå i denne debatten – enn det kunne virke som. Jeg vil bare minne om det som representant Dagfinn Høybråten også siktet til uttalelsen i Statoils søknad til MMS i USA, at det «er lite trolig at et oljesøl vil skje på grunn av noen av de foreslåtte aktivitetene», som Statoil skrev i sine søknader 9. september og 22. oktober Den type forsikringer fra en oljebransje med egeninteresse i å kunne bore olje bør vi være veldig forsiktige med å ta for god fisk i framtiden. For Senterpartiet har arbeidet for å unngå ei storulykke offshore ypparste prioritet. Det er For Senterpartiet har arbeidet for å unngå ei storulykke offshore ypparste prioritet. Det er ei naturleg prioritering, både av omsyn til miljøet og av omsyn til dei som jobbar offshore. Eg vil knyte nokre kommentarar til det å førebyggje ulykker. I den debatten som blei utløyst av katastrofa i Mexicogolfen, meiner eg det er særleg to forhold som er viktige. For det fyrste: Sikkerheita på norsk sokkel er god. For det andre: Olje- og gassverksemd vil alltid innebere ein fare for skade på menneske og miljø, også i vårt land. Derfor er eg samd med interpellanten i at dette er ein viktig debatt, og det er rett å setje tryggleiken på dagsordenen etter ei slik hending som verda har opplevd i Mexicogolfen. Vi er heldige, vi kan lære av ei ulykke som fyrst og fremst rammar andre. Vi kan bruke denne situasjonen til å styrkje vår beredskap ytterlegare. Eg synest det er noko urovekkjande at Statoil Norges sjef i eit debattinnlegg kommenterer debatten i kjølvatnet av ulykka i Mexicogolfen som det han kallar ein død pelikan-debatt som er følelsesprega. Dette er etter Senterpartiet sitt syn ikkje å gå inn i debatten med nødvendig audmjukskap. På norsk sokkel var «Alexander Kielland»-ulykka for 30 år sidan eit vendepunkt. Historia har bekrefta at det er mogeleg å utvinne olje og gass under krevjande forhold med få men sjølvsagt ikkje utan risiko. Eit robust myndigheitsapparat er avgjerande for å kunne drive med minimal risiko for store ulykker. Eit fritt og uavhengig petroleumstilsyn har vore ein viktig faktor i sikkerheitsarbeidet på sokkelen. Det skulle ein tru det var brei politisk semje om, men faktisk foreslo Framstegspartiet så seint som i sitt alternative budsjett å leggje Ptil inn som ein del av Arbeidstilsynet. Det vitnar om manglande respekt for dei store sikkerheitsoppgåvene som tilsynet har. Ei anna utfordring er endringa i aktørbiletet på sokkelen – Statoil som dominerande aktør og framveksten av mange nye, små oljeselskap. Eg er, i likskap med det fleirtalet var under behandlinga av statsbudsjettet for 2010, oppteken av at dette gjev nokre særskilde sikkerheitsutfordringar. Det er viktig å presisere at dei selskapa har ansvaret for så vel risiko for arbeidsulykker som å sikre miljømessig forsvarleg drift. Det er fornuftig at Petroleumstilsynet har eit risikobasert tilsyn med hovudfokus på å hindre store ulykker. Avslutningsvis vil eg peike på at det som skjer i Mexicogolfen, er ei viktig påminning om kor store konsekvensar eit ukontrollert utslepp kan ha. Vi må derfor gå særs varsamt fram i sårbare område, og i nokre område skal vi etter Senterpartiet sitt syn ikkje ha petroleumsaktivitet i det heile.

er for dette, er vi imot aktivitet i de mest sårbare områdene. Og vi er opptatt av å stille strenge krav til selskapene, slik at vi minimerer belastningen på miljøet og risikoen knyttet til aktiviteten. De utfordringer vi har sett at Statoil har hatt knyttet til Gullfaks C og den situasjonen vi opplevde på Snorre A i 2004, er en påminnelse om at den oljekatastrofen vi er vitne til, kan skje igjen, og det kan skje i Norge. Det er åpenbart at teknikken og menneskene kan svikte, både når det gjelder å ta de riktige forholdsreglene, og når det gjelder tilgang på teknologi og løsninger for å håndtere uhellet når det først oppstår. Venstre har lenge vært bekymret for norsk oljevernberedskap og mulighetene til å reagere på en større katastrofe. Vi så effektene av «Full City»-ulykken utenfor Langesund, og det måtte en ulykke til før regjeringen reagerte og styrket slepebåtberedskapen på Sørlandet, til tross for at Venstre ved en rekke anledninger hadde tatt opp nettopp denne saken med regjeringen. Avslutningsvis vil jeg berømme interpellanten for å ta opp dette temaet, og at han utfordrer statsråden på statusen på beredskapen for å forhindre og håndtere uønskede hendelser i petroleumsbransjen.

vi snakker om en seriøs aktør som vi kjenner godt fra norsk sokkel, og som jeg tror mange har stor tillit til. Ikke bare er dette en ulykke som det har vist seg veldig vanskelig å få kontroll over, men selskapet har også pådratt seg Obamas vrede for å holde tilbake informasjon, forsøke å underkommunisere hvor alvorlig ulykken faktisk er, prøve å skyve skylden over på andre og avspise dem som rammes, med småpenger, mens aksjonærene får store utbytter og dyre tv-reklamer ruller over amerikanske tv-skjermer. Så er det selvfølgelig nærliggende å spørre: Kunne ulykken ha skjedd her? Vi vet for lite om hva som har skjedd. I Mexicogolfen er all boring stanset inntil i videre. Kanskje er det slik at våre sikkerhetskrav ville ha forhindret at vi fikk akkurat det hendelsesforløpet som vi fikk i Mexicogolfen, kanskje ikke.

kanskje håpe, at de som har brukt mye tid og krefter på å bagatellisere risiko og lage bilder av hvor latterlig liten sjanse det er for at noe alvorlig skal kunne skje, f.eks. i de mest sårbare gyteområdene, tenker seg om en gang til. Jeg skal ikke nevne navnet på noen av disse kommunikasjonsfolkene i oljeselskapene, men det er nærliggende å tenke på dem. At vi ikke kan gardere oss, stiller krav til beredskap. Selv om sannsynligheten for en ulykke av det omfanget som vi nå ser i Mexicogolfen, er liten, er jo risiko en funksjon av både sannsynlighet og skadepotensial, og vi har også enkelte områder i Norge hvor skadepotensialet er stort. Representanten Sund var inne på at det er for tidlig å si noe bastant om hva vi kan lære av Mexico, og det er selvfølgelig helt riktig. Samtidig har oljevernberedskap vært tema i denne salen ved gjentatte anledninger, og vi vet noen ting om utfordringene. Vi vet f.eks. at effektiviteten av beredskapstiltak varierer kraftig med sted, med årstid, med værforhold. Er det dårlig vær – og dessverre har det en tendens til å være det ved uhell, det er gjerne derfor de har vi stor bølgehøyde, settes tradisjonell oljevernberedskap med lenser og pumper ut av spill. Da er man prisgitt strømforhold, da er man prisgitt vindforhold og avstanden til land. Derfor er avstand til land et så vesentlig vurderingspunkt når man gir nye tillatelser til å bore. Så er det viktig hva slags type olje det er snakk om – om det er høy grad av naturlig dispergering, eller nedblanding i vannet. En av de tingene som vi ser veldig tydelig fra Mexicogolfen, er jo at det er utrolig problematisk å vite hvor mye olje som befinner seg under havoverflaten, og som man ikke har kontroll på. Utvikling av ny og mer moderne teknologi på dette området er krevende, ikke minst kostnadsmessig, og det er det få selskaper som har rygg til å bære. Det er dyr teknologi, og det er teknologi som man forhåpentligvis aldri skal ta i bruk. Da Stortinget behandlet forvaltningsplanen for Norskehavet i fjor, var dette et tema som regjeringspartiene var veldig opptatt av. Blant annet pekte vi på at staten bør mer aktivt inn på dette området, ta initiativ til å sette i gang teknologiutviklingsprogrammer for å bedre oljevernberedskapen. Vi kan stille så strenge krav vi bare makter – og der føler jeg meg trygg, vi stiller strenge krav – men det forutsetter at teknologien som kreves for å oppfylle kravene, faktisk finnes. I likhet med alle kolleger vil jeg takke representanten Høybråten for å ha tatt opp denne interpellasjonen. SV har alltid vært opptatt av sikkerheten rundt vår oljevirksomhet. Før en av de første store ulykkene kom, stilte en av SVs representanter spørsmål om sikkerheten rundt dette i Stortinget og fikk den gang til svar at det var omtrent like sannsynlig som, når hvert tiende barn er kineser, at en norsk kvinne skulle føde en kineser når hun skulle ha sitt tiende barn; det når hvert tiende barn er kineser, at en norsk kvinne skulle føde en kineser når hun skulle ha sitt tiende barn; det burde hun ikke være bekymret for. Det var dessverre ikke mange dager etterpå at det var store overskrifter i avisen. «En kineser er født», sto det. Bravo-utblåsingen var et faktum. Den gangen ble vi også forsikret om at alt var i orden. Derfor håper jeg at det kan komme noe positivt ut av denne forferdelige ulykken og utblåsingen. Det er vårt ansvar å sikre at den virksomheten som foregår, foregår i rammer der risikoen er minimal, fordi farligheten er så stor knyttet til ulykker av det omfang vi nå har sett. Det bør også alle partier merke seg nå. Vi trenger faktisk en meget sterk motkompetanse og en kompetanse og en ekspertise

rutiner for dette. Det er svært lønnsomt å drive med olje- og gassvirksomhet. Derfor er det svært sterke økonomiske interesser som alltid vil presse grensene, ikke fordi de nødvendigvis er umoralske, men fordi det er stor lønnsomhet i det. Jeg tilhører dem som mener at makta til noen av disse økonomiske interessene i dag er for stor. Den er så stor at en forsøker med mange midler å presse fram beslutninger som jeg ut fra mitt beste skjønn mener er farlige og er å ta en risiko med store områder som vi ikke skal ta. BP sa før ulykken skjedde, at dette ikke kunne skje. De mente sjøl at de hadde kunnskap om risiko og farlighet, og at de hadde teknologi som gjorde at dette ikke kunne skje. Derfor er jeg ikke overrasket over at Statoil i lignende søknader på et tidspunkt rett før jul mener de kan slå fast det samme. At de i dag fortsetter å uttrykke seg som om de mener det samme, er ikke overraskende, men det er ikke særlig betryggende. Jeg er ikke særlig betrygget av den type uttalelser fra store, mektige aktører i dette området, hvor det er så uhyre viktig at man faktisk erkjenner den risikoen som er til stede. for at Petroleumstilsynet er så nyansert som det er i sin tilnærming til saken. Det har ikke vært så mye diskutert her, men i USA diskuterer man veldig hvem det er som skal betale regningen. Det tror jeg også vi må ta diskusjoner rundt, slik at regningen, hvis noe galt skjer, blir plassert på riktig sted. I Petroleumstilsynet – jeg tror det er der jeg har hørt dette – sier de: Hvis du tror sikkerhet er kostbart, prøv en ulykke! Ulykker er forferdelig kostbart, spesielt i disse bransjene. vil jeg bruke de siste sekundene jeg har til rådighet, til også å si litt om arbeidsmiljø knyttet til sikkerhetsspørsmål på sokkelen. Det er meget viktig. Vi har høye krav til arbeidsmiljø i disse bransjene, nettopp fordi arbeidsmiljøet er så nært knyttet til sikkerhetsarbeidet på sokkelen og til disse operasjonene, der alt må foregå riktig, der alt må foregå riktig, og der den minste feil som vi andre kan gjøre i andre arbeidsforhold, innenfor disse områdene kan få den type katastrofale følger som det får. Derfor er det også grunn til å gå igjennom arbeidsmiljøspørsmål knyttet til dette. Det er

For Norge har petroleumsinntektene bidratt til en betydelig velferd og mulighet til å møte framtidens pensjonsutfordringer på en måte som få andre land kan. Men selv om det er lett å se seg blind på de historiske mulighetene dette har gitt, og vil gi i framtiden, er dette en viktig påminnelse om at det ikke er vår kollektive grådighet som skal ligge til grunn for vår politikk. Om ulykken i er det at vi som nasjon legger et enda sterkere føre-var-prinsipp til grunn for vår aktivitet. Det blir fort at fravær av ulykker kan gjøre oss mindre bevisste på farene som kan oppstå. Jeg antar at det er denne sløvheten som ligger bak Fremskrittspartiets stadige forslag om kutt i bevilgningene til Petroleumstilsynet, gjennom sine Men det er gjennom å være i forkant at ulykker kan unngås. Hvis man hadde hatt en så slepphendt politikk for tilsyn og for det å bygge opp kompetanse, ville det dessverre ha vært for sent når ulykken først rammet. Fremskrittspartiet inviterte oss alle til å trekke i fellesskap. Fremskrittspartiet bør selv trekke seg inn i det fellesskapet, gjennom å være med og styrke Petroleumstilsynet. Selv om Norge ligger langt framme når det gjelder HMS innen olje- og gassaktivitet, kan vi ikke ha en mindre ambisjon enn det å være verdensledende. Klare tilbakemeldinger fra de ansattes organisasjoner og andre er at det gjøres mer enn det som er pålagt fra industrien. Vi har på norsk sokkel en hvor det faktisk er ønskelig at folk sier fra. Det er ingen selvfølge i arbeidslivet andre steder. Kanskje er det også positivt at vi har andre aktører inne på norsk sokkel, aktører som også må lære av de strenge helse-, miljø- og sikkerhetskravene som blir stilt, og av vår måte å jobbe på. Denne åpenhetskulturen kan være med og bidra til at ulykker ikke skjer i Jeg er glad for at Petroleumstilsynet og oljeindustrien hver for seg griper fatt i den tragiske situasjonen i Mexicogolfen, og ser hva vi kan lære av dette. Statsråden er tydelig engasjert i det ansvaret hun har når det gjelder sikkerhet. Det I årene framover skal vi bl.a. ha til behandling en forvaltningsplan, som ikke gjør føre-var-prinsippet noe mindre. Det må være slik at økte ambisjoner for olje- og gassaktiviteter på norsk sokkel følges opp av enda større HMS-ambisjoner, for å sikre dem som selv jobber i bransjen, og for å sikre vår felles framtid. Først: Takk

Svaret er ja, ifølge sikkerhetsdirektør Magne Ognedal. Det andre spørsmålet er: Er vi rustet til å møte en slik katastrofe? Vi har fått en god redegjørelse for regelverk, sikkerhetssystem og ansvarsdeling mellom ulike aktører, men for min del vil jeg si: Det er vi neppe. Og det siste spørsmålet er: Kan vi lære? Ja, det kan vi så definitivt. Jeg er fornøyd med at statsråden tar et samlet grep om denne læringsprosessen og sørger for å påse at alle aktører tar dette på største alvor, og at regjeringen følger opp de konklusjoner som kommer ut av disse prosessene. Det må gjelde regelverk, og det må gjelde ressurser til forebygging, til oljevern og ikke minst til tilsynssiden. Jeg er glad for at så mange representanter har nevnt ressurser til Petroleumstilsynet, som det er lett å undervurdere i rolige tider, men som vi kan komme til å angre på at vi har forsømt, når det virkelig har skjedd noe. Jeg har også lyst til å understreke at de erfaringer man har gjort, og de uttalelser man har hørt falle før og etter denne ulykken, tilsier en spesiell årvåkenhet i Norge, fordi forvaltningen av ressursene våre nå domineres veldig sterkt av ett stort selskap. Da denne ulykken, tilsier en spesiell årvåkenhet i Norge, fordi forvaltningen av ressursene våre nå domineres veldig sterkt av ett stort selskap. Da fusjonen skjedde, var ikke minst vi her i Stortinget veldig opptatt av å sikre at det ikke skulle gå ut over fokuseringen på sikkerhet. Et spørsmål til slutt til statsråden: Med det arbeidet som nå settes i gang av regjeringen, i samspill med de ulike aktørene, hvordan orientere om de konklusjoner regjeringen trekker av dette arbeidet? Vil det være en tanke at Stortinget får seg presentert erfaringene fra Mexicogolfen og relevansen for Norge i en egen sikkerhetsmelding, slik at vi får anledning til å følge dette opp – også ut fra det samlede og helhetlige perspektivet som har preget denne debatten?

situasjonen. Jeg tror også, og jeg synes også å lese at alle har den innsikten – som også har vært understreket av Magne Ognedal fra Petroleumstilsynet – at dette er en ulykke som selvfølgelig også kan skje i Norge. Det er det han har sagt, og jeg har også understreket det. Vi har et utrolig stort fokus på sikkerhet i Norge. i Norge. Vi er veldig dyktige på sikkerhet. Vi har laget et veldig godt system når det gjelder sikkerhet. Vi har – som det også har vært understreket fra representanten fra SV – et veldig godt system når det gjelder forholdet arbeidstaker–arbeidsgiver/selskap, som også bidrar til å sette fokus på sikkerhet. Men jeg tror vi skal være tydelige på at nettopp når man er sikker på at man har det sikreste systemet i verden, skal man passe seg for at man ikke hviler på det. Jeg synes jeg har hørt at mye av det som har vært tatt opp, har vært knyttet til selskapene, også uttalelser fra både BP og Statoil når det gjelder risiko knyttet til den type ulykker. Jeg tror det er viktig at vi understreker overfor selskapene at vi nå forventer et veldig klart fokus etter ulykken i Mexicogolfen. Som jeg sa, er det noe av det jeg skal ta opp i møtet jeg skal ha med selskapene neste fredag. jeg skal ha med selskapene neste fredag. Så har jeg bare lyst til å ta opp en liten ting som ble nevnt av representanten fra Høyre: I rapporten som er kommet fra Petroleumstilsynet når det gjelder det generelle sikkerhetsnivået – eller tilstanden for sikkerheten på norsk sokkel – og som er en årlig sak, har man for så vidt konkludert med at sikkerhetsnivået er bra som før. Men – som representanten viste til – ble det i rapporten også vist til at at arbeidstakerne har noen innvendinger mot deres fokus på forebygging av storulykker når det gjelder de enkelte operasjonene. Dette tar Petroleumstilsynet på stort alvor og jeg tar det på stort alvor. Jeg har hatt et møte med Petroleumstilsynet og OLF om dette, og de vil nå sende ut denne rapporten til alle oljeselskapene for å få deres vurdering av

Så vil jeg avslutte med igjen å si tusen takk for debatten. Dermed er sak nr. 9 ferdigbehandlet. Da er Stortinget klart til å gå til votering.

fram fire forslag. Det er forslag nr. 1, fra Oskar Jarle Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti forslag nr. 2, fra Oskar Jarle Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet og Høyre forslagene nr. 3 og 4, fra Oskar Jarle Grimstad på vegne av Fremskrittspartiet Det voteres

Det voteres så alternativt mellom komiteens innstilling og forslag nr. 1, fra Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti. Forslaget lyder: «Stortinget ber regjeringen foreta nødvendige endringer av viltloven slik at nødvergeretten utvides til å gjelde rett til nødverge ved rovdyrangrep mot hund, og når rovdyr opptrer aggressivt på innmark.» Komiteen hadde innstilt: Dokument 8:95 S – representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Roar Bredvold, Robert Eriksson, Oskar Jarle Grimstad, Morten Ørsal Johansen, Tord Lien og Torgeir Trældal om endring av forvaltningen av rovdyrpolitikken – bifalles ikke.

Dermed er dagens kart ferdigbehandlet. Forlanger noen ordet før møtet er hevet? – Møtet er